På vegne av representantene Robert Eriksson, Sonja Irene Sjøli, Kjell Ingolf Ropstad, Borghild Tenden og meg selv vil jeg gjerne legge fram et representantforslag om praksis ved tildeling av pleiepenger. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at formiddagsmøtet om nødvendig fortsetter utover den Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at formiddagsmøtet om nødvendig fortsetter utover den reglementsmessige tid, kl. 16, til dagens kart er ferdigbehandlet. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra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

Når det gjeld staten sitt direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda, handlar endringane om reduserte investeringsbehov, m.a. på grunn av utsette borings- og utbyggingsinvesteringar, og knyter seg til ein sum på nærare 5 mrd. kr. Regjeringa melder vidare

1820 og 4820 og det som går på NVE-anlegg, og på kapitlet for Olje- og energidepartementet er det gjort endringar, og dei er det gjort greie for i proposisjonen. I handsaminga av denne saka i komiteen viser fleirtalet til endringane melde frå regjeringa og stiller seg bak regjeringa sitt framlegg til omdisponeringar. Opposisjonspartia peikar på si side på reduksjonen i om CO2-handtering og har merknader knytte til dette. Vidare har ein samla opposisjon òg peika på størrelsen på hushaldningsstøtta i Enova, og eg legg til grunn at representantar frå opposisjonspartia, viss dei finn det nødvendig, gjer grundigare greie for sine merknader. For Senterpartiet og regjeringspartia er både framdrifta under kap. 1833 CO2-handtering og tilskottsordninga for elsparing viktige saker. Når det framdrifta under kap. 1833 CO2-handtering og tilskottsordninga for elsparing viktige saker. Når det gjeld den fyrste av desse, har statsråden fleire gonger peika på dei teknologiske utfordringane det er med prosjektet. Teknologi kan ikkje vedtakast i denne salen, men må byggjast og utviklast steg for steg, og vi meiner

arbeidet med fullskala CO2-håndtering på Mongstad reduseres med 180 mill. kr, og bevilgningene til arbeidet med transport og lagring av CO2 reduseres med 176 mill. kr. Samtlige reduksjoner er begrunnet med endringer i framdriftsplan og redusert behov for midler til utredning. Reduksjon i bevilgningene til CO2-håndtering ved utgangen av året er blitt en årviss tradisjon med den Tidfestede lovnader om rensing av gasskraftverket på Kårstø innen 2009 og månelandingen på Mongstad innen 2014 er skrinlagt. Avsatte midler til CO2-håndtering trekkes tilbake med begrunnelse i endrede framdriftsplaner. I statsbudsjettet for 2011 gir regjeringen ingen signaler om at Kårstø i det hele tatt vil bli renset. Renseprosjektet er lagt på is inntil videre. Folkeparti er også urolig for de signaler som gis i statsbudsjettet, om fare for ytterligere utsettelser av fullskala CO2-fangst og lagring på Mongstad. Grunnen til Kristelig Folkepartis bekymring for manglende rensing på Kårstø og Mongstad er at det undergraver målsettingene i klimaforliket. Arbeidet med å innfri allerede ambisiøse målsettinger for nasjonal reduksjon av klimagassutslipp blir nå enda vanskeligere fordi man må kompensere for økte utslipp fra I Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2011 foreslår vi å bevilge 55 mill. kr til å gjenoppta anbudsprosessen for fullskala CO2-fangst og lagring på Kårstø.

og ba regjeringen om å stanse åpningsprosessen for petroleumsaktivitet utenfor Jan Mayen. Jan Mayen er et sårbart naturområde hvor vanskelighetene med å drive meningsfullt oljevern er enda større enn ved eventuell utbygging i de omstridte havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. I denne proposisjonen som vi nå har til behandling, foreslår regjeringen å gi Oljedirektoratet fullmakt til å inngå kontrakt med et seismikkfartøy om geologisk kartlegging av havområdene ved Jan Mayen. Oljedirektoratet får i den forbindelse mulighet til å pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger på opptil 110 mill. kr. Vi ønsker å stemme mot forslag nr. 2. I statsbudsjettet for 2010 foreslo regjeringen å bevilge 40 mill. kr under tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger i regi av Enova. Kristelig Folkeparti visste allerede da at dette beløpet var for lite, og foreslo betydelig økte bevilgninger. Køen for å få støtte fra denne ordningen er lang, og støttebehovet overgår langt de midlene regjeringen har stilt til disposisjon. Ifølge en artikkel på nettstedet E24 torsdag 2. desember har Enova opptil 200 henvendelser om strømsparing hver dag, men støttekvoten for norske hjem er brukt opp for lenge siden. Alle bevilgede midler for 2010 er disponert. Kristelig Folkeparti mener at tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger bør økes betydelig, og mener derfor at noen av de frigitte midlene fra arbeidet med CO2-håndtering bør kunne omdisponeres til dette feltet. Derfor fremmer jeg Kristelig Folkepartis forslag i denne innstillingen. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp det forslaget hun

Enova: En burde brukt denne saken til å sørge for at Enova fikk litt friere fullmakter til å disponere den kapitalen de tross alt besitter. Det er ikke tomt i alle Enovas kasser, men det er tomt i den kassen som gjelder husholdningsstøtte i forhold til energisparing. Nå er det en tid med høye strømpriser, og da blir det også automatisk en økt bevissthet hos folk flest til å ville gjøre noe med det. På Enovas webside ble en først møtt av en liten gul nonstopfigur med rødt flagg, som sa at pengekisten var tom. Figuren ble fjernet, men realitetene ble ikke endret av den grunn. Så en lurer jo folk til å tro at her er det ikke midler til stede. Men fordi en nå er så nær neste budsjettår, sier en: Søk likevel. En burde gi en håndsrekning til folk flest ved å gjøre det litt mer fleksibelt for Enova, slik at de selv kan disponere midlene der de mener det er fornuftig. Det signalet skulle jeg ønske regjeringen kom med. Jeg skulle ønske at energiministeren tok ordet i denne debatten og kommenterte akkurat det. Så er det Jan Mayen. For oss er det ok at det bevilges penger til å kartlegge områdene, og det er helt greit for oss at det gjøres en konsesjonsrunde på Jan Mayen. Men la oss ikke forlede noen til å tro at dette er den offensive oljepolitikken Norge trenger. Det er å kaste blår i øynene på folk å late som om dette er viktig for Olje-Norge. Dette ligger fryktelig langt fram i tid, hvis det er ressurser der. Jeg stiller meg spørsmålet: Når en verner Jan Mayen, slik at en ikke får lov til å sette opp en utedo der en gang, hvordan skal en da få lov til å bygge en oljeinstallasjon og eventuelt benytte seg av å prosessere noen oljeressurser der ute? Det er ingen som jeg har snakket med i olje- og gassbransjen, som synes Jan Mayen er veldig spennende. Men jeg registrerer at energiministeren har sagt at dette er en offensiv satsing, og da begynner jeg å frykte for at dette går på beskostning av eventuell virksomhet i Lofoten og Vesterålen og i de nye norske områdene i Barentshavet. Det vil ikke Fremskrittspartiet være med på.

den må utvikles. Det er en visdom som jeg deler 100 pst. Fremskrittspartiet har hatt som valgslagord for en del perioder siden – og det er et prinsipp vi står inne for ennå: «Fremtiden vedtas ikke, den skapes.» Problemet er jo bare at det er denne regjeringen her som hadde en framdrift, et opplegg og et vedtak som tilsa at en skulle vedta en teknologi innen et gitt årstall. En skulle rense på Kårstø i 2009, på Mongstad i 2014, og når vi nå først har kommet til den erkjennelsen at dette ikke er noe som politikere kan vedta, skulle jeg også ønske at vi i den sammenheng sa at derfor skal vi heller ikke holde fast ved kun Kårstø og Monstad som mulige fullskala CO2-renseplasser i Norge. Vi må ha en større fleksibilitet. Hvis det kommer andre aktører som for egen regning og risiko utvikler teknologi som viser seg mer anvendbar enn den som regjeringens prosjekt har fått til, må vi åpne for at staten skal kunne bidra der de finner det hensiktsmessig å bygge slike i kongeriket. Da er det reelt å vise til at på Melkøya har Hammerfest Energi og Sargas tidligere gått sammen og søkt om konsesjon. Industrikraft Møre snakker om at de kan ha aktører som vil være med og rense på men der vet vi altså at per i dag sier regjeringen at de ikke vil gi noen form for støtte. Det synes jeg er veldig beklagelig, for hvis målet er å utvikle CO2-renseteknologi, må det være et viktigere mål enn at regjeringen skal få utvikle Mongstad-rensing. Vi burde være mer prinsipielle i tilnærmingen og si at de som kan levere ferdig CO2-rensing som fungerer, skal få en del av den økonomiske potten, ikke at koste hva det koste vil – uten noen garanti for at det fungerer. Så der vil jeg også oppfordre energiministeren til å komme med litt mer positive signal enn det vi fikk fra statsministeren i går, da han avviste noe som helst alternativ til Mongstad. Prestisjen på Monstad er blitt for stor for regjeringen. Jeg håper at statsråden i denne debatten kan være litt mer åpen, slik at det er teknologiutviklingen som sådan

er tatt opp, dels rundt CO2 og dels rundt Jan Mayen og Enova. Først til det som representanten Hjemdal tok opp knyttet til Kårstø. Realiteten i saken er jo Realiteten i saken er jo at vi har et svært krevende prosjekt på Mongstad, som jeg tror alle i denne salen er enige om kommer til å kreve både økonomiske ressurser og teknologiutvikling framover, som vi skal være veldig godt fornøyd med når vi har fått gjennomført det på en skikkelig måte. Det regjeringa har sagt om Kårstø

Klimakur. Der skal vi se på hvor norske utslippsreduksjoner skal komme. Så har jeg tidligere varslet at jeg kommer til Stortinget med en brei gjennomgang av Mongstad-prosjektet. I det ligger nettopp det som komitélederen på en god måte beskrev i sitt åpningsinnlegg her nå. Det er ikke tvil om at det vi gjør på fangst av CO2, er teknologisk krevende. Det er rett og slett teknologiutvikling som veldig mye av prosjektet handler om. Vi ser at det er læring underveis. Vi ser at vi får nye erfaringer underveis. Jeg er opptatt av at vi skal sørge for at vi har en framdrift videre som tar hensyn til det, og som og som er den sikreste veien for å få teknologien på plass, få rensing på plass og gjennom det bidra til at vi også utenfor Norges grenser kan få CCS som en anvendelig teknologi framover. Så litt om Jan Mayen. Representanten Solvik-Olsen tok opp liten interesse og langsiktig prosess rundt Jan Mayen som tema her nå. Jeg har ikke i noen sammenhenger latt være å understreke at Jan Mayen har langsiktighet over seg. Jeg tror sågar det står i den pressemeldinga som ble sendt ut fra meg tidligere i denne uka. Det 15-årsperspektivet som jeg har uttalt at i hvert fall ligger til grunn for Jan Mayen, og den åpningsprosessen som vi er inne i nå, er ikke noe argument mot nettopp å gjøre det vi nå gjør. Langsiktighet har jo jo vært en premiss for olje- og gassvirksomheten i Norge i de 40 årene vi har holdt på. Vi ser at norsk sokkel for øvrig er nedadgående når det gjelder funn, spesielt av olje. Vi må også jobbe med områder, prosjekter, som ligger der framme når det og mulige funn. Så jeg mener at Jan Mayen-prosjektet er et viktig prosjekt. Det er helt riktig som representanten Solvik-Olsen sier, at interessen fra selskapene ikke er stor rundt dette nå, men nettopp ved å gå i gang, nettopp ved å få mer kunnskap om området kan vi skape den interessen. Jeg syns ikke det er noe rart eller noe galt i at selskapene foreløpig er avventende når vi vet så lite om området. Men i det øyeblikket en ser at området er vet så lite om området. Men i det øyeblikket en ser at området er interessant, vil også de kommersielle aktørene vurdere det på nytt og forhåpentligvis fatte interesse for området. Når det gjelder Enova, er ikke jeg enig i at det som nå skjer rundt husholdningsstøtte, er å lure noen som helst. Vi er nå midt i desember, og vi snakker om 14 dager til et nytt budsjettår. Det å potensielle brukere av Enovas husholdningsstøtte om at det er lurt å søke, at det er en ny pott til anvendelse om noen få uker, mener jeg er informasjon og ikke forsøk på å lure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

ein må ta med når ein skal vurdere energipolitikken vår i tida framover. Ein må òg så klart ta med den fordelen Noreg har i kraftutvekslinga med andre land, at vi har mykje vasskraft som kan magasinerast, og dermed bidra til ei stabil kraftutveksling med med andre land når vind og sol varierer produksjonen. Kort og godt må vi føre ein heilskapleg energipolitikk. Det er òg det som er regjeringas mål og politikk, slik den m.a. er trekt opp i regjeringas plattform, Soria Moria II for 2009–2013. Målet er at Noreg skal vere ein miljøvennleg og verdsleiande energinasjon. energinasjon. Det betyr at miljøet og klimamåla òg vil vere førande for det produksjonsomfanget, og at det er nødvendig å forsøkje å avgrense veksten i energiforbruket. Desse måla, og denne politikken, er òg førde opp med ei rekkje tiltak frå regjeringa: Vi har fått auka ny fornybar kraftproduksjon. Enova er kraftig styrkt. Det same gjeld kapasiteten til NVE. Vi har fått ei ny havenergilov, som opnar for nye moglegheiter for nye energiformer i åra som kjem. Det blir førebudd bygging av nye sentrale kraftliner, som Sima–Samnanger og

EUs fornyingsdirektiv, der Noreg no er med på å forhandle om kva for plikter vi skal ta på oss i den samanhengen. Olje- og energiministeren har i ei pressemelding av 13. desember m.a. varsla at det vil bli ein brei gjennomgang av kraft- og energibalansen. I den samanhengen vil det bli sett ned eit energiutval som skal sjå på den langsiktige utviklinga i kraft- og energisektoren fram mot 2030 og 2050. Utvalet skal utgreie og vurdere energisektoren svært breitt – produksjon, forbruk, nettutbygging og kraftutveksling med Eg deler derfor ikkje det som blir påstått av mindretalet her, at det ikkje har blitt lagt fram eit einaste dokument frå regjeringa som gir Stortinget anledning til å diskutere utfordringane i energipolitikken på ein overordna måte på mange år. Ein fyldig omtale av regjeringas energipolitikk blir lagd fram for Stortinget m.a. i dei årlege statsbudsjetta.

framtidig politikk og strategi på energisektoren på ein brei måte. Eg har registrert at opposisjonen fleire gonger har teke til orde for det, så eg reknar med at dei er veldig nøgde med dette. Da tek eg opp forslag nr. 2 , om at representantforslaget skal leggjast ved protokollen. Da har representanten Torstein Rudihagen – på overtid – tatt opp det forslaget han refererte til. La meg begynne med å ta opp
Neste taler er representanten

periodevis – om det er hvert år, annethvert år, tredjehvert år, ja det er vi helt åpne for å diskutere. Med så mange internasjonale forpliktelser Norge nå får gjennom EUs fornybardirektiv og grønne sertifikat, er det helt naturlig at vi med jevne mellomrom diskuterer om energipolitikken er i tråd med de målene og forpliktelsene vi har, for å se om Stortinget må korrigere lite grann, eller om alt går greit. Men da Stortinget skulle behandle det

mandag – altså etter at komiteen har avvist forslaget vi nå står og diskuterer, kommer det et innfall fra en energiminister i dette kongeriket om at jo, en energimelding, det skal vi ha! Da er det plutselig greit for de rød-grønne representantene i denne salen. Da skal dette forslaget plutselig vedlegges protokollen, for nå har regjeringen selv varslet at den vil ha det. Hvor er den selvstendige tanken hos de rød-grønne politikerne når de går fra å avvise et forslag til plutselig å juble for det, fordi deres egen regjering gjør det? Det viser bare at dette storting har ingen betydning for regjeringens politikk. Regjeringen gjør det den vil, når den vil, og de rød-grønne partiene på Stortinget gjør det de får beskjed om fra regjeringen sin. Det synes jeg er å vise forakt for denne sal. Jeg synes det er ganske pinlig å høre saksordføreren i denne salen stå og snakke om saken som han her har gjort. Som jeg nevnte: Det er mange ting som kommer til å forplikte Norge energipolitisk framover. De grønne sertifikatene og EUs fornybardirektiv er to ting som forplikter oss internasjonalt. I tillegg har det vært en rekke løfter fra denne regjeringen om hva de skulle gjøre, som også burde forplikte oss, og derfor burde vært med i en energimelding uavhengig av internasjonale forpliktelser. en energimelding uavhengig av internasjonale forpliktelser. En energimelding sikrer at de langsiktige målsettingene og virkemidlene henger noenlunde sammen. Det kan godt hende at vi tar feil i våre antakelser, men vi har i hvert fall forsøkt å kvantifisere dem. Man sier at dette blir gjort i statsbudsjettet. Hvis det er holdningen fra denne regjeringen, hvorfor i alle dager legger en fram en stortingsmelding om noe som helst? Statsbudsjettet omfatter jo men: Hvorfor er det viktig å ha en stortingsmelding om norske museum, men ikke om norsk energipolitikk? Er det sånn at norske museum ikke omtales i statsbudsjettet av denne regjeringen? Jo, selvsagt gjør de det, men det er rett og slett lettere for denne regjeringen å enes om hva slags museumspolitikk den skal ha, enn å enes om hva slags energipolitikk den skal ha. ha. Når saksordføreren står og lister opp alt det denne regjeringen har gjort og skal gjøre, ja så må jeg bare minne om at de grønne sertifikatene har det vært enstemmighet om i Stortinget. Det har vært litt uenighet om de skulle være teknologinøytrale eller ikke. Den uenigheten har vært mest prekær i i regjeringen og er årsaken til at denne ordningen ikke kom på plass i 2006, men man måtte vente til 2012, slik at regjeringen i mellomtiden kunne snu vekk fra Soria Moria I, og inngå teknologinøytrale sertifikater – det tillot ikke Soria Moria I. Jeg må minne om at de kraftlinjene som man snakker om – den som nå har blitt bygd fra Sverige – ble påbegynt under Bondevik-regjeringen. Den kraftlinjen som skulle redde Midt-Norge-situasjonen, da vi diskuterte problematikken i 2005, Bondevik-regjeringen. Den kraftlinjen som skulle redde Midt-Norge-situasjonen, da vi diskuterte problematikken i 2005, skulle komme på plass i 2010 – i de første debattene. Nå skryter regjeringen av at den skal komme på plass i 2015. Det er ingen offensiv politikk, det pleier å kalles en utsettelse – på samme måte som grønne sertifikat. Jeg vil minne om at alle de fire gasskraftprosjektene som har vært framme under den rød-grønne regjeringen i Midt-Norge, har blitt skrinlagt eller står uten å bli realisert. Havvind ble dratt fram her. Da vi diskuterte i mars i vår, spurte vi energiministeren om hvor mange havvindmøller han trodde det ville bli bygd i Norge de neste ti årene. Svaret var null. Det å dra fram det som et tegn på offensiv satsing, får stå for de rød-grønnes egen regning. Presidenten vil bare informere om, i og med at det omtalte forslaget fra saksordføreren, representanten Rudihagen, ikke er omdelt i salen ennå, og ikke er omdelt i salen ennå, og det kanskje kan ha betydning for den videre debatt, at det forslaget gjelder, er at innstillingen endres fra «bifalles ikke» til at representantforslaget «vedlegges protokollen» – dette bare til informasjon av hensyn til den videre debatt. Jeg er glad for at statsråd Terje Riis-Johansen sist mandag kunne meddele at han har planer om å foreta en bred gjennomgang av kraft- og

arbeidsplassene og verdiskapingen, samtidig som vi har et ansvar for å være en pålitelig energileverandør og bidra til at energiforsyningen skjer på en mest mulig bærekraftig måte i forhold til klimautfordringen. I henhold til IEAs analyser vil verden trenge mye energi fremover, og Norge må sørge for å ta sin del av både ansvaret og mulighetsbildet dette gir for næringsutvikling. Høyre mener denne saken er overmoden, og at det i altfor mange år har manglet fokus i energipolitikken. Mens energipolitikken har stått høyt på dagsordenen i nesten alle andre land, har det ikke vært noen overordnet debatt om dette i energistormakten Norge på mange år. Siden dagens regjering overtok i 2005, har det kun blitt lagt frem en eneste stortingsmelding om energipolitikk fra Olje- og energidepartementet. Den var på fire sider, omhandlet fornybar energi, og forslagene ble trukket tilbake Ja, regjeringen Stoltenberg er i ferd med å bli husket som regjeringen der det var flere energistatsråder enn antall sider med energipolitikk den har lagt frem for Stortinget. I stedet for noen overordnede prinsipper i energipolitikken har det vært stadig skiftende signaler og hyppige løftebrudd. De som ville bygge ut ny fornybar energiproduksjon, har f.eks. måttet forholde seg til fire ulike støtteregimer de siste fem årene. De virksomheter innen kraftintensiv industri som i 2005 lot seg av de rød-grønnes løfter om billig kraft til under markedspris, har blitt sittende med skjegget i postkassen og sliter i dag i et tøft kraftmarked med å få kontrakter på kommersielle vilkår som de kan leve med. Resultatene av denne politikken kan vi nærmest daglig lese om i media i form av motstand mot nettutbyggingsplaner, høye strømpriser i deler av Norge, industri som vurderer permitteringer som følge av at de sliter med å få på plass langsiktige industrielle kraftavtaler under en regjering som ikke har fått en lovet garantiordning iverksatt, og som også sitter nærmest maktesløs i forhold til den monopollignende posisjonen Statkraft har, som sitter på rundt 80 pst. av magasinkapasiteten i Norge og dermed må sies å være den eneste reelle kontraktspartner i Norge. Denne regjeringen har sviktet rundt 120 småkraftverk ved ikke å innlemme disse i en overgangsordning med grønne sertifikater, og dermed skapt

De fleste synes å ha en felles forståelse av at havenergi i form av flytende havmøller har et stort teoretisk potensial, men at det er relativt langt frem før teknologien er kommersielt tilgjengelig. Samtidig foreligger store planer for utbygging av bunnfaste installasjoner i våre naboland i EU, spesielt i britisk sektor. Norge har mange kompetansemiljøer og leverandørbedrifter som kan være aktuelle for leveringer i disse markedene, men flere av de mindre aktørene trenger demoanlegg som referansepunkter for å komme i posisjon i dette markedet. Her har dessverre regjeringen ikke klart å stille opp med tilstrekkelige FoU-midler, og jeg vil på ny oppfordre statsråd Riis-Johansen til å bidra gjennom sine statsrådskollegaer til at dette skjer. Denne industrien har ikke tid til å vente på et regjeringsskifte i 2013 – disse togene går nå. Det varslede energiutvalget skal levere sin rapport vinteren 2012. Det betyr at vi sannsynligvis ikke får en stortingsmelding om energipolitikken til behandling i Stortinget før tidligst om halvannet til to år. I en sak som er viktig for en energistormakt som Norge, synes dette å være å bruke altfor lang tid. Saken er overmoden for beslutninger og praktisk politikk. Norge er en integrert del av Europa når det gjelder energi. EU har nylig lagt frem sin energistrategi. Norge må være aktiv i å benytte seg av den

Vi stiller oss bak og støtter representantforslaget fra Fremskrittspartiet. Nettopp – det er nemlig etter hvert lagt fram to forslag. Den debatten vi hadde for noen dager viser jo at opposisjonen i liten grad er samlet om energipolitikken. De er samlet om noe: Denne saken er vel ett av de få tilfellene. Opposisjonen illustrerte dermed egentlig på en ganske god måte en bredere problemstilling i norsk energipolitikk, og det er at virkelighetsoppfatningene spriker mellom svært mange aktører i hvordan man oppfatter energi- og kraftpolitikk i Norge, forsyningssikkerhet, energisparing og ulike problemstillinger knyttet til miljøkonsekvensene av utbygging og distribusjon av kraft. Dette er problemstillinger vi har brukt svært mye krefter på i Stortinget det siste året. Det er veldig bra. Det gjør at påstandene fra opposisjonen om at det leveres færre sider om energipolitikk til Stortinget enn antall statsråder vi har hatt, stilles i et litt pinlig lys. For er det én ting vi ikke mangler i Norge – heldigvis – så er det bred debatt om energi- og kraftpolitikken. Det er bra, for det er en veldig viktig politisk sak. Dermed er jeg også helt enig med regjeringen, som legger opp til en utredning før man tar fatt på en ny energimelding, som ble varslet for kort tid siden. Jeg mener behovet for en utredning som kan avklare en del viktige debatter, og som kanskje kan bidra til å bygge bro mellom ulike fronter, absolutt er til stede. Det vil jeg også tro at alle er enig i. Det spriket i hvordan man oppfatter norsk kraft- og miljøpolitisk virkelighet som finnes mellom mange aktører som egentlig alle har de beste intensjoner, og ganske like intensjoner, mellom ulike miljøorganisasjoner og mellom ulike aktører innenfor energi- og kraftnæringen, er ganske påfallende i norsk debatt. mellom ulike miljøorganisasjoner og mellom ulike aktører innenfor energi- og kraftnæringen, er ganske påfallende i norsk debatt. Jeg tror absolutt at behovet for en slik utredning derfor er til stede. Selv om opposisjonen har vært samlet om kravet om en energimelding, er det grunn til å påpeke at det har vært et visst sprik i ønsket om hva en energimelding egentlig er, hva den skal inneholde. Jeg har jo i debatten opp gjennom hørt alt fra atomkraft til norsk olje- og gasspolitikk til norsk forsyningssikkerhet og kraftbalanse være oppe som ulike temaer en slik energimelding bør omfatte. Derfor er jeg også glad for at regjeringen i sine kunngjøringer har gjort en god avgrensing av feltet. Jeg er glad for at regjeringen kommer dem som lenge har ønsket en energimelding, i møte. Og da velger jeg heller å overse polemikken fra Høyres side om færre sider med energipolitikk enn antall statsråder osv. Det er også grunn til å minne Høyre om at Høyre selv har svært få meritter hva nettutbygging angår, at vedlikehold og utbygging av det norske sentralnettet stupte etter at Høyre liberaliserte kraftmarkedet, og liberalisering av kraften i seg selv gjør det ganske spesielt å høre Høyre leke overrasket over at vi har ulike og svingende kraftpriser i Norge, og at Høyre ikke hadde det minste problem med f.eks. å bygge Ormen Lange, trass i advarslene om de konsekvensene det ville få for forsyingssikkerhet og kraftpriser i Midt-Norge. Heldigvis vil utredningen som nå er holde et langt høyere saklig nivå enn polemikken fra deler av opposisjonen. Det er bra, og det betyr at vi kanskje også vil ha gode og konstruktive runder om energipolitikk neste år og årene etter det. Saksordføraren har på ein god måte både gjort greie for kva som ligg i saka, og også omtala det som er gode og konstruktive runder om energipolitikk neste år og årene etter det. Saksordføraren har på ein god måte både gjort greie for kva som ligg i saka, og også omtala det som er regjeringa sitt initiativ i kunnskapsinnhenting og ei melding som ser dei lange linjene i energipolitikken. Og eg må få lov å påpeike at det er ein viss forskjell mellom det å ha ei årleg, eller «jevnlig» rapportering til Stortinget om energipolitikken og det å nedsette eit utval og jobbe fram dei lange linjene og sjå dei store perspektiva for energipolitikken i åra som kjem. Så skal det med rette seiast at opposisjonen òg tidlegare har bedt om ei energimelding, og på den måten lyfta fram noko som ligg nærare det som regjeringa no presenterer. Men vi har frå posisjonen si side, òg Senterpartiet, teke opp att ei rekkje saker som treng – og trong – å finne ei avklaring før ein har eit grunnlag for ei slik melding. Vi har nemnt her tidlegare både grøne sertifikat, som det no er kome ei tydeleg avklaring på, og arbeidet med implementering av EU sitt fornybardirektiv. Linjespørsmål har òg vore det nye regelverket på havvind osv. Derfor er timinga riktig no. Ein vil alltid kunne føre ein argumentasjon som går på at når ein har samla inn epla for hausten, kan nokon hevde at dette jo kunne vore gjort tidleg i sommar, så hadde ein spart mykje arbeid. Men det er ei tid for alt. Og no er ei god tid for å gjere det som regjeringa gjer, nemleg å starte arbeidet med ei omfattande melding og ei kunnskapsinnhenting i forkant av ho. Så meiner eg òg at det er riktig, når opposisjonen no stadig peikar på dette med å sjå heilskapen i energipolitikken,

melding om at regjeringen varsler en bred gjennomgang av kraft- og energibalansen. Hvis vi ser på den pressemeldingen og det mandatet som ble tilsendt oss gjennom pressen denne dagen, så står det der at man skal se på «produksjon, forbruk, nettutbygging og kraftutvekslingen med utlandet». Hvis vi ser på dagens forslag, det vi behandler nå, skal vi visst også der se på kraftproduksjon, kraftforbruk. Det er egentlig det samme som står i pressemeldingen av 13. desember 2010, som det vi diskuterer i dag. Men er jo statsrådens svar til Stortinget, at energipolitikken er trukket opp i Soria Moria-erklæringen, og at den ligger fast. Og det står tydelig i mandatet at innstillingen til dette utvalget skal leveres vinteren 2012. Vi hørte også fra lederen av komiteen at dette utvalget skal se på de lange linjer. Min konklusjon i forhold til den prosessen vi har hatt de siste dagene, og hvorfor regjeringspartiene nå velger å vedlegge denne saken protokollen, går på ordet «jevnlig» – det er der vi egentlig er uenige – og at regjeringen ikke ønsker å ha en jevnlig framleggelse av en energimelding

med respekt å melde si at det har ikke vært noen aktuelle og sentrale energisaker, for Stortinget har ikke fått seg forelagt noen saker. Jeg synes det er litt oppsiktsvekkende, for blant folk flest diskuteres energisaker. Dette er tema som drosjesjåføren tar opp med meg, og også min gode venn i Narvesen-kiosken på dette er tema dag ut og dag inn. Men vi har ikke fått noen saker, og da er det altså ingen sentrale, aktuelle energisaker. Og det er det vi skal få oss forelagt. Representanten Serigstad Valen var opptatt av at opposisjonen spriker. For Kristelig Folkeparti er det ikke noe mål – det har aldri vært et mål at det skal være en samlet opposisjon. Kristelig Folkeparti fremmer sin politikk. Men siden det ikke kommer noe fra regjeringen, må jeg også spørre tilbake: Det er vel et tegn på et tydelig sprik når regjeringen ikke klarer å levere noen saker? Når det ikke er noen sentrale, aktuelle saker å levere på, så stort sprik innad i regjeringen. Statsråd Halvorsen har jo nettopp sagt at det er på energiområdet og utenriksområdet at regjeringen strever mest. Men så til dette utvalget og den meldingen som vi en gang får – de av oss som sitter på Stortinget neste periode, for det er da vi får en For Kristelig Folkeparti er det viktig at vi i en slik melding får et samspill mellom klima og energi, for målsettingene i klimaforliket stiller store krav til endringer innen energipolitikken fram til 2020 og også 2050. Derfor er det viktig for Kristelig Folkeparti å påpeke at en framtidig energipolitikk er en politikk som ser sammenhengen

energiministeren har varslet at en energimelding vil bli fremlagt for Stortinget. Venstre mener det er behov for en energimelding. Innføring av grønne sertifikater, EUs fornybardirektiv, mer overføringskapasitet til Europa, ombygging av eksisterende oljeinstallasjoner og eksisterende oljeinstallasjoner og bygging av nye, som bør elektrifiseres – alt dette tyder på at vi trenger en langsiktig plan for utnyttelsen av norsk energi. Jeg spår at nettopp en slik energimelding vil skape debatt og vil klarlegge skillelinjer i politikken. Det er bra. Venstre er enig i kritikken som kommer fra de andre opposisjonspartiene når det gjelder regjeringens forhold til Stortinget. I et brev fra olje- og energiministeren til energi- og miljøkomiteen, datert 5. november 2010, heter det: «En jevnlig fremleggelse av en energipolitisk stortingsmelding vil ikke nødvendigvis være tilpasset behovet for overordnede diskusjoner om energipolitikk.» Dette kom 5. november og blir henvist til i regjeringspartienes merknader som en begrunnelse for ikke å gå inn for forslaget. I overkant av en måned senere varsler den samme olje- og energiministeren at han vil fremme nettopp en slik melding. Likevel vil ikke regjeringspartiene stemme for forslaget i innstillingen her i dag. Vel, jeg tror de hadde tjent på nettopp det. Venstre vil stemme for forslaget i innstillingen, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig

Nå i desember har vi sammen med den svenske regjeringa undertegnet en protokoll for et felles marked for elsertifikater fra 2012. Dette vil føre til en storstilt utbygging av fornybar energi i de to landene. Regjeringa har også trappet opp satsingen på energieffektivisering til et rekordnivå i 2011. Med disse avgjørende forutsetningene på plass mener jeg tida er inne for å legge grunnlaget for en ny framtidsrettet og bred energipolitisk plattform, dette i form av en ny energimelding som gjør oss i stand til å møte utfordringene i energisektoren i tiåra som kommer. Det skal derfor nedsettes et energiutvalg som skal se på den langsiktige utviklingen i kraft- og energibalansen fram mot 2030 og 2050. Utvalgets arbeid skal danne et viktig grunnlag for Utvalget skal utrede, vurdere, sentrale faktorer som påvirker energi- og kraftbalansen i Norge, bl.a. produksjon, forbruk, nettutbygging og kraftutveksling med utlandet. Energiutvalget skal få en bred sammensetning der både interessegrupper og personer med særlig fagkunnskap deltar. Det vil derfor bli fremmet en stortingsmelding om energipolitikken, slik at Stortinget får anledning til å diskutere nettopp disse overordnede linjene og vår framtidige energipolitikk. Men en slik melding vil ikke bli lagt fram med faste intervaller, eller «jevnlig», slik representantene Solvik-Olsen, Skumsvoll og Grimstad foreslår. Når det gjelder den jevnlige oppfølgingen, vil jeg vise til de årlige budsjettene, som omtaler resultater og viktige strategier på energiområdet. Det blir åpnet for replikkordskifte. Regjeringspartiene og energiministeren legger opp til

Nå er det åpenbart ikke godt nok, når en føler behov for å utrede det, og det er for så vidt greit. Representanten Sande fra Senterpartiet sa at det er en tid for alt. Nå er det tid for å ha en energimelding. Ja, 5. november var det ikke det for «Jevnlig» betyr ikke årlig; «jevnlig» kan bety en gang hvert fjerde år, hvert åttende år, hvert andre år. Poenget er at en skulle begynne med å få en stortingsmelding. I og med at en har forpliktelser fram til 2020, er det naturlig at en legger det fram om igjen en gang senere. Så spørsmålet er: Hva er det som har skjedd i regjeringen eller i samfunnet som gjør at det nå er behov for en energimelding som det ikke var behov for for ti dager siden?

tidligere – at det er viktig å avklare enkeltsaker gjennom de prosessene som der hører til. Så er det slik at vi nå har et grunnlag for å se lenger fram enn hva vi hadde for et år siden, for to år siden, fordi vi nettopp har fått på plass så viktige elementer i den korte og halvlange energipolitiske horisont. Mitt mål nå er samtidig å starte en prosess som ser lenger fram enn det – 2030, 2050. Det er ikke snakk om et utvalg som skal løse dagens energipolitiske utfordringer, jf. diskusjoner vi nå har, men som skal se lenger fram, og etter det. Så det er min tenkning rundt det, og jeg mener det er en veldig riktig tenkning ut fra energipolitiske behov. Noen politikkområder krever en større langsiktighet og kanskje en større grad av enighet enn andre, og energiområdet er

trenger rundt et års tid på å gjøre et ordentlig arbeid – det er normalt for den type prosesser – og så skal vi lage en stortingsmelding i forlengelsen av det. Men det betyr at vi skal være ferdig med det tidsnok til at dette storting får god anledning til å diskutere

det velkommen. Så vil jo prosessen vise om det er politisk grunnlag for det. Jeg legger til grunn statsrådens brev om at regjeringens energipolitikk «ligger fast» fram til 2013, for det er det regjeringen informerer Stortinget om. Statsråden sa i sitt innlegg at han ikke vil levere fast

Vi vet at fornybardirektivet kommer. Vi vet at vi får en klimamelding. Vi vet at vi skal få en forvaltningsplan for Barentshavet. Vi vet at vi har en sak her i huset som gjelder delingsforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet. Er det noen av disse fire sakene og forhold rundt dem som gjør at vi kan påregne en stortingsmelding om aktuelle saker? Det må nesten besvares ut fra

om forvaltningsplanen og ressursforvaltning til havs er jo også svaret ja. Det vil Stortinget få seg presentert i løpet av kommende vinter. Jeg kan for egen del legge til der at vi har en parallell på det, prosessen knyttet til petroleumsmeldingen, som også petroleumsmeldingen, som også Stortinget vil få seg presentert. I saker som her nevnes, er det naturlig at vi ender opp i dokumenter, som stortingsmelding, og at Stortinget så har en debatt i forlengelsen av framleggelsene. Jeg tror at jeg kan uttale meg på vegne av flere enn bare Fremskrittspartiet nå. Det er

I brevet til komiteen den 5. november skriver energiministeren at den helhetlige energipolitikken som er trukket opp i Soria Moria, ligger fast. Når han allikevel nå oppretter et utvalg som skal utrede alle mulige sider ved energipolitikken, kan vi da forvente at energipolitikken ikke ligger fullt så fast når en stortingsmelding kommer, sånn at vi kan ta inn over oss de anbefalinger og råd som dette utvalget gjerne kommer med?

de samme som dem som fattes i 2015–2020. Det er jo en dynamikk på dette området, som det er på andre samfunnsområder. Den vil jeg nesten håpe at en ser, fordi en får ny kunnskap, en får ny teknologi. Det er nye muligheter, men det er også nye utfordringer. Til det som hevdes å være en rar prosess, at regjeringa skal bli enig seg imellom før Stortinget får seg noe forelagt, før debatten blir tatt, må jeg si at jeg stusset litt over spørsmålet. Jeg mener at det er det mest naturlige i denne verden at en har en intern prosess i enhver regjering, blir enige om politikken på ulike områder og også blir enige om forslag til virkemidler og tiltak og presenterer det for Stortinget. Jeg har litt problemer med å se hva som skulle være
Representantforslaget har noe for seg når det gjelder å få seg fremlagt litt mer jevnlige oversikter over rikets energitilstand. Når vi har rikets miljøtilstand som et eksempel, og andre områder hvor det jevnlig legges frem rapporteringer eller meldinger for Stortinget, kunne jeg gjerne tenke meg at statsråden enda en gang hvorfor energiområdet, et område hvor Norge virkelig er en stormakt, et område hvor Norge har et stort ansvar, et område som berører så mye av vår industri, vår verdiskaping, våre arbeidsplasser, osv., på en måte ikke skulle bli funnet verdig til jevnlige meldinger – altså om rikets energitilstand. Vil statsråden i forbindelse med at det legges frem en stortingsmelding om energipolitikk, vurdere om det vil være fornuftig med en sånn type rapportering tilbake til

politikkutforming gjennom framleggelse og diskusjon knyttet til budsjettdokumentene. For min egen del hadde jeg en ganske omfattende redegjørelse, bl.a. om Enova, i budsjettdokumenter, som gir et godt grunnlag for debatter som eventuelt er ønsket i Stortinget. Så jeg mener at dette er betydelig mer omfangsrikt og nyansert enn det som blir tatt opp her. Det er tilbakemeldinger, det er politikkutforming, det er grunnlag for både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 som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Denne saka står fram som eit tydeleg eksempel på saker opposisjonen har fremma og etterlyst i lang tid, der dei har møtt motargument og fått til dels usaklege kommentarar. Så, etter kort tid, får opposisjonen og Framstegspartiet seg framlagt ei sak som til forveksling er lik ho dei har etterlyst naturlegvis endra i form og stil, men innhaldsmessig er det likevel veldig stor likskap. Grunnen er naturlegvis at behovet for ei stortingsmelding om rikets energitilstand for energinasjonen Noreg er veldig aktualisert, og ein kan ikkje lenger skuve frå seg ansvaret og behovet for ein overordna energipolitikk. meiner at ei av dei store utfordringane i energisektoren er mangelen på overordna, robust og langsiktig energipolitikk. Regjeringas arbeid har i altfor stor grad fokusert på enkeltsaker i energipolitikken, utan i nødvendig grad å sjå heilskapen og handtere utfordringane Framstegspartiet meiner at ei heilskapleg stortingsmelding om rikets energitilstand er heilt nødvendig for å sikre ei god, ambisiøs og jordnær tilnærming som kan synleggjere både det kortsiktige og det langsiktige kraftbehovet så vel som produksjonskapasiteten og potensialet der. Det gir det føreseielege som trengst, og eg forventar òg av aktørane innanfor denne industrien at dei er opptekne av

Hjemdal, vær så god.

skulle ein kanskje tru at det ville føre med seg glede og tilfredsheit. Men det høyrest ikkje slik ut. Det representantforslaget som blir behandla her i dag, peikar på ei rekkje område som ei stortingsmelding om rikets energitilstand bør innehalde. Det er spørsmål om forventa kraftforbruk og produksjon i Noreg, tilgangen på ulike

Så Ketil Solvik-Olsen vel altså å harselere over regjeringspartia i staden for å sjå verdien i at han no får moglegheit til i framtida å vere med og diskutere den framtidige energipolitikken i si fulle og
Hjemdal, vær så god.

Det er ingen her som er imot dette! Jeg er kjempeglad hver gang regjeringen snur i politikken sin og gjør at noe blir mulig. Jeg gledet meg stort da regjeringen snudde fra sitt nei til å ha en kraftlinjedebatt i Stortinget til nå å si ja. Jeg gledet meg stort da regjeringen gikk fra å si nei til å ha småkraftverk i ordningen med grønne sertifikater til nå å si ja. Da fikk vi ting på plass. Jeg gledet meg stort da regjeringen gikk fra å si nei til å ha en oljemelding til nå å si ja. Jeg gleder meg til de neste snuoperasjonene som kommer, for en ser at det en slo fast i Soria Moria I og i Soria Moria II, ikke hørte til i denne verden, fordi det var umulige retoriske kompromisser mellom Arbeiderpartiet og SV, som ikke klarer å forene seg på særlig mange områder. Jeg er glad hver gang regjeringen ser lyset. Men det tar likevel ikke vekk opposisjonens rett til å påpeke at et forslag som vi har fremmet utallige ganger – som en har hatt masse rare argumenter for ikke å ville vedta – ikke henger sammen med den retorikken en bruker for at nå er plutselig tiden inne. Det er en tid for alt. Ja, det er en tid for alt, men altså: Logikken som regjeringen brukte da klimameldingen ble framlagt, var at nå skal vi først bli enige om de overordnede målene fram mot 2020 og 2050 – og så skal vi fylle opp med virkemidler. Når Erik Solheim de siste månedene har fått kritikk for at klimaforliket ikke ble innfridd – og den kritikken har kommet fra Bondevik II-partiene – så har argumentet vært at vi fylte ikke klimameldingen med virkemidler nettopp fordi dette var ting som måtte gå seg til. Men når det gjelder energipolitikken, er altså argumentasjonen fra de rød-grønne partiene det stikk motsatte – da skal vi først bli enige om virkemidlene i regjeringen, og så skal vi legge fram strategien. Det er jo bare fjas å ha den form for retorikk. Det viser jo bare at det har vært helt andre ting som har gjort at energimeldingen ikke er lagt fram. Det har vært det som statsråden selv har innrømmet i replikkordskiftene, at først måtte en bli enige internt, og det tok altså fem og et halvt år. Jeg tviler sterkt på at denne regjeringen fortsatt er blitt enige, men

men vi har vært politisk uenige om hvilke virkemidler som funker, men der går en stadig mer i retning av det som opposisjonen har ønsket, nemlig markedsbaserte virkemidler. Det gleder jeg meg over. La oss håpe at vi får slike snuoperasjoner også i de neste sakene vi skal diskutere i dag. Presidenten må selvfølgelig påtale – og det regner presidenten med at representanten var klar over – at begrepet «fjas» ikke hører hjemme i denne type debatt.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

nytt i dag også. Jeg beklager det, president! Jeg kan også berolige forrige taler, Ketil Solvik-Olsen, med at i hvert fall jeg for min del ikke er negativ til markedsbaserte løsninger, selv om jeg er sosialist på en rekke områder, og jeg tror at et av de områdene hvor markedsbaserte løsninger kan være en god idé, er innenfor energisparing. Representanten Hjemdal nevnte i forrige sak at energipolitikk er noe alle snakker om. Vi hørte et eksempel på venn av representanten som er drosjesjåfør i Askim. Jeg tror nok ikke vedkommende er alene om å diskutere energipolitikk for tiden, det er noe som mange er interessert i. Det er helt riktig. Og en av de tingene det går veldig mye debatt om nå om dagen – ikke bare her i salen, men også andre steder – er jo strømpriser. Derfor syntes jeg det var litt synd at i energi- og miljødebatten som vi hadde for noen dager siden, ble energisparing av enkelte representanter framholdt som noe litt kjipt – om det er et parlamentarisk uttrykk – noe vi ikke skal løfte opp så veldig mye, noe som nærmest er litt nedlatende å snakke om. Og enkelte representanter var liksom fornærmet på vegne av innbyggerne i Trøndelag når man påpekte at den mest effektive måten å få ned strømregningen til folk flest på, er å finne måter å redusere strømforbruket på. Derfor synes jeg Representantforslag 8:165 S er et godt forslag på mange måter. Forslagsstillerne har helt rett i at det er et stort uforløst potensial Ikke fordi det ikke gjøres noe i Norge, langt ifra, men fordi potensialet er så betydelig – nordmenn er blant de i verden som bruker mest strøm. Spesielt med tanke på at avtalen med Sverige om grønne sertifikater er på plass, og at ordningen vil tre i kraft i 2012, er det behov for en debatt både om hvordan vi skal stimulere ikke bare til energiutbygging, men energisparing, og hva vi skal bruke Enova til i årene som kommer. I en I en slik sammenheng synes jeg det er helt riktig å diskutere energisparingsordninger som kan gi flere incentiver, og der flere aktører stimuleres til å spare energi. Derfor er jeg personlig også veldig fascinert av ideene rundt såkalte hvite sertifikater, som jeg tror kan være én mulig løsning for å utløse økt energisparing i husholdningene Det har noe å gjøre med at jeg tror det vil ha en verdi om flere aktører enn de som bor i husholdningen selv, har en interesse av at det spares energi i en gitt husholdning. Så langt følger jeg forslagsstillerne, og det er en sak jeg har lyst til å være med og diskutere også framover. Så er det samtidig viktig ikke å snakke ned den innsatsen som allerede gjøres. Enova er og er en svært vellykket organisasjon på sitt område. Energisparing er et område som er styrket kraftig under de rød-grønne. Mange industriaktører gjennomfører prosjekter med Enova-støtte som sørger for dramatisk redusert energiforbruk og økt energigjenvinning, og følgelig reduserte kostnader. I dette ligger også mye teknologiutvikling, altså en ikke-teknologinøytral tankegang. Enovas støtteordninger for husholdninger har de siste årene nådd nesten 40 000 mennesker i Norge og omtales i evalueringen – som igjen er omtalt i proposisjonen fra regjeringen i år – som en suksess på mange måter. Dette er gode og viktige ordninger. Derfor foreslår vi å vedlegge forslaget protokollen. Det er av flere grunner. For det første følger flertallet langt på vei ønskene om en videre debatt om utformingen av energisparingsordninger i Norge, men samtidig har vi ikke konkludert på det, og vi mener det er litt for kjapt å konkludere på det i en slik type forslag også. Så tror vi også det i framtiden er behov for både teknologinøytrale og teknologidrivende ordninger til ulike formål. formål. Jeg deler ikke de refleksjoner som forslagsstillerne gjør seg rundt omlegging fra strøm til andre fornybare varmekilder. Der er nok jeg mye mer positiv enn forslagsstillerne. Jeg mener det er viktig å frigjøre bruk av strøm fra oppvarming til andre mer – misforstå meg rett – høyverdige formål. Det er veldig mye utslipp vi kan kutte i Norge ved å elektrifisere osv. Det er viktig å frigjøre strøm. Flertallet foreslår derfor at forslaget vedlegges protokollen, og så imøteser vi en god debatt framover om utforming av ordninger for energisparing. La meg først ta opp forslaget som Fremskrittspartiet er

Energisparing er noe som ikke er vanskelig å være for i det hele tatt. Spørsmålet er jo hvilke virkemidler vi skal ta i bruk. I dag har vi en byråkratisert subsidieordning, som for all del oppnår resultater. Spørsmålet er likevel: Får en de resultatene som en burde fått i forhold til hvor mye penger en bruker på det? Har vi den teknologibredden som vi burde hatt? Det er det vi ønsker å reise spørsmål om, og ikke ikke å snakke negativt om Enova som sådan. Fremskrittspartiet tror at det er mulig å få mer igjen for pengene som samfunnet velger å bruke på å stimulere energisparing. Da bør vi åpne for slike ting. Jeg synes det var litt oppløftende det som energiministeren sa i forrige replikkordskifte, nemlig at de vedtak som er gjort, gjelder kun til neste vedtak gjøres. En må ta inn over seg ny informasjon og nye erfaringer som dukker opp underveis. Jeg synes vi har nok erfaringer nå til å si at ja, mye fungerer, men mye kunne vært bedre. Vi har flere ganger sagt at la oss bruke skatte- og avgiftssystemet til å stimulere. Da får man en teknologinøytral ordning. Da vet folk at gjør de en investering som er definert som energisparing, vil de kunne skrive av utgiftene sine på skatten, og man får også mer av denne økonomien inn på de hvite spor. Alternativt kan hvite sertifikat være en måte å gjøre det på, der man får en markedsbasert ordning hvor vi setter politiske mål. Kraftselskapene – eller skal vi si kraftselgerne – i samarbeid med forbrukerne eller skal vi si kraftselgerne – i samarbeid med forbrukerne har en oppgave i å redusere energibruken. Men hvor tiltak gjøres, er altså utenfor politiske hender og utenfor byråkratiske hender, det er egentlig opp til faglige og kundemessige diskusjoner. Når vi fremmer dette forslaget, har det bakgrunn i en debatt som jeg deltok i på Eliaden på Lillestrøm i år. Der var næringskomiteens leder. Da han satt ansikt til ansikt med hele bransjen som driver med energisparing og energitiltak i Norge, var han plutselig veldig positiv til en teknologinøytral støtteordning. Dette var ikke bare en bisetning, men det var et av hans hovedbudskap da han måtte se bransjen i ansiktet. Da tenkte jeg at dette var hyggelige signaler, her har han tatt inn over seg kunnskap og erfaringer og vil forbedre ordningen. Og nettopp med den inspirasjonen for øyet fremmet vi dette forslaget, i tro om at han faktisk også talte på vegne av Arbeiderpartiet. Det ser vi nå at han ikke gjorde. Det var en måte å snakke en velgergruppe etter munnen på, uten å ville forplikte seg verken før eller etterpå. Det er svært skuffende. Sparepotensialet er stort, mange vil bidra. Det en opplever, er likevel at usikkerheten også er stor. Flere som tar kontakt med Enova og får forhåndstilsagn, realiserer ikke prosjektene sine. Når det gjelder husholdningsstøtte, blir ca. halvparten, ifølge tall fra Enova, aldri utbetalt. Det mener vi vitner om at det kanskje er fra Enova, aldri utbetalt. Det mener vi vitner om at det kanskje er en del feil i systemet som gjør at folk faller ifra. Jeg tror en del folk også opplever det som urimelig når de statlige ordningene gir langt større beløp for å bygge ut ny kraftproduksjon f.eks. til vindkraft, enn til å spare en tilsvarende energimengde. Der bør vi også som samfunn og som storting diskutere om vi ikke bør sørge for at man for en gitt sum penger – spesielt med en regjering som forholder seg til handlingsregelen mer tro enn mange andre, at man har en begrenset sum penger – får maksimalt resultat. Da bør vi se på om man ikke skal likestille støttenivået til energisparing og kraftproduksjon. Og det åpner jo altså ikke regjeringen for med dette. Jeg tror også det er mange forbrukere som anser det som urimelig at man kan få støtte til en del eksotiske og kostbare tiltak, som de mer velbemidlede blant oss i samfunnet vil ha råd til, mens de som faktisk sliter mest med strømregningen, ikke kan få utløst én krone fra staten, fordi de virkemidlene som er i deres priskategori, ikke er støtteberettiget fra Enova, sånn som rentbrennende vedovner og luft-til-luft varmepumper. Jeg kan se argumentene for at man skal hjelpe den nye teknologien i markedet, men da får man kalle ordningen for det. Hvis det primære formålet er energisparing, må man sørge for at de teknologier som sparer energi, blir likebehandlet, uavhengig om de er kostbare eller billige. Det klarer vi ikke nå. Nå blir dette mer som en slags markedsstøtteordning til produsenter av kostbare teknologier, enn det er en energispareordning. Det tror jeg ikke er intensjonen, i hvert fall ikke til saksordfører. Men det er nettopp derfor jeg skulle ønske at dette forslaget hadde blitt vedtatt og ikke bare vedlagt protokollen.

Potensialet for energieffektivisering er imidlertid uforløst. 40 pst. av Norges netto innenlands stasjonære sluttforbruk av energi, 80 TWh, brukes til drift av bygninger og funksjonalitet for brukerne. Likevel mangler Norge klare mål og gode nok virkemidler for å realisere energisparingspotensialet i bygningsmassen. EU har i sin energi- og klimapakke vedtatt både at 20 pst. av 20 pst. av EUs samlede energiforbruk i 2020 skal komme fra fornybare energikilder, og at energibruken skal effektiviseres med 20 pst. i forhold til «business as usual». Energieffektivisering i bygninger vil gjøre det lettere å oppfylle disse forpliktelsene, men også forpliktelser Norge vil bli pålagt i kommende revidert utgave av EUs bygningsenergidirektiv og i EUs fornybardirektiv. 1. februar 2007 trådte nye energikrav i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven i kraft. De nye kravene skal redusere netto energibehov med om lag 25 pst. sammenlignet med tidligere forskrifter, noe som vil gi en besparelse på om lag 4,5 TWh. Det viser hvor viktig det er at politikerne bruker de tekniske forskriftene aktivt, og at kravene skjerpes gjennom hyppige revideringer av tekniske forskrifter. Det er viktig med gode merkeordninger for bygg, ikke minst ved salg og utleie, slik at energieffektivitet i større grad kan gjenspeiles i salgspris eller leiepris. Dagens energimerkeordning kan også brukes til å stille krav til energibruk i nye bygninger. Her må det offentlige gå foran. I Oslo setter man nå i gang en rekke forbildeprosjekter knyttet til offentlige bygninger. Sist ut er skolene Gran og Veitvet. Klimavennlige bygg er en helt nødvendig del av Oslos strategi for å nå byens ambisiøse mål om å kutte klimagassutslippene med 50 pst. innen 2030. Høyre mener staten har et spesielt ansvar for å gå foran. Derfor var det spesielt skuffende og et symbol på regjeringens manglende handlekraft da regjeringen valgte å oppføre det nye bygget i regjeringskvartalet, R6, med middelmådig energistandard. Paradokset blir ikke mindre av at miljøvernministeren ved flere anledninger har trukket frem Storebrands nye hovedkontor på Lysaker som et fremragende eksempel på klimavennlig rehabilitering. Private husholdninger utgjør 68 pst. av energiforbruket i Norges bygningsmasse, og utskiftningen av bygningsmassen tar tid. Nye krav i teknisk forskrift er derfor ikke nok alene. Dersom vi skal oppnå vesentlig fremgang, er vi avhengig av gode incentiver til å investere i energieffektiviseringstiltak. Enova har i dag en sjablongbasert støtteordning for selektive energitiltak rettet mot husholdninger. Utover dette er minstegrensen for å utløse støtte fra Enova 500 000 kWh spart energi per år. I praksis betyr dette at Enovas midler ikke er tilgjengelig for privatboliger og mindre boligselskaper. Høyre mener den enkelte boligeier bør stimuleres til energieffektiviseringstiltak gjennom f.eks. skattefradrag for dokumenterte utgifter til energisparingstiltak i egen bolig. Det er en enkel, effektiv og ubyråkratisk modell som vil utløse betydelig energieffektivisering i Norge, i segmenter i bygningsmassen som i dag har få eller ingen offentlige støtteordninger. I dag er det bare Oslo, styrt av blå-blå partier, som har tilfredsstillende støtteordninger for private husholdninger. Det er verdt å merke seg at skattefradrag for energieffektivisering i egen bolig er vedtatt innført i Sverige og USA. Et annet aktuelt alternativ er såkalte hvite sertifikater, som vi merker oss med interesse at representanten Heikki Holmås talte varmt for i denne sal på mandag, og representanten Serigstad Valen i dag. Høyre mener at så vel energikrav som støtteordninger må være teknologinøytrale, slik at man oppnår mest mulig energieffektivisering for hver investert krone. Energikrav og støtteordninger må derfor basere seg på krav til levert energi i bygningen. Høyre mener det bærer galt av sted når regjeringen i sitt forslag til nye tekniske forskrifter ønsker å fase ut elektrisitetsbruk, til tross for NVEs faglige innsigelser om at strøm til oppvarming av bygninger både er rent og Jeg er sikker på at de av landets borgere som har investert i varmepumpeanlegg der 1 kWh strøm gir 3 kWh varme – og det finnes sikkert noen også i denne sal – synes det er svært uheldig å bli satt i miljømessig bås med dem som benytter oljefyr. Elektrisitetsforbruk i Norge kommer fra ren og miljøvennlig vannkraft. Elektriske varmesystemer anvender etablert strømnett og krever ikke en parallell infrastruktur. Nye, fornybare energikilder vil i stor utstrekning kunne transporteres og anvendes med elektrisitet som energibærer. Elvarmen er rask og effektiv å regulere til rett temperatur, og kan dessuten fjernstyres eller forhåndsprogrammeres og medfører dermed et lavt behov for levert energi til bygget. Fyrst vil eg peike på at eg er gode resultat òg på dette området. Dersom vi skal få det til, må energien brukast meir effektivt, nye teknologiar må utviklast og introduserast i marknaden, og folk flest må få

for Enova etter at marknaden trer i kraft. Difor ser òg vi i Senterpartiet fram til drøftingar om utforming og vidareutvikling av støtteordningar for energieffektiviseringstiltak, både teknologinøytrale og Når vi likevel har valt å leggje forslaget ved protokollen, er det òg fordi vi meiner det ligg ei grad av teknologinøytralitet i dagens støttesystem, i og med at ein lyfter fram prosjekt som gir høgaste energiresultat per krone. Samtidig ynskjer vi at det overordna regimet på energieffektivisering – og tenkinga på det området – skal ha ei utforming som gjer det mogleg å visse teknologiar og styre ynskte teknologiar inn mot visse område. For eksempel gjeld det tilrettelegging for oppvarming, kjelder for oppvarming som frigjer straum, som eg peika på, fordi elektrisiteten er ei meir fleksibel energiform enn t.d. bio-en vil vere no med dagens teknologi, og kan brukast inn mot område der ein har fossile energiberarar i dag, og på den måten føre til reduserte klimagassutslepp t.d. Dette set likevel ikkje ein stoppar for å diskutere teknologinøytrale og marknadsbaserte ordningar som t.d. kvite sertifikat. Slike ordningar kan vere gode og effektive på nokre område, men ikkje nødvendigvis alle område som Enova handterer i dag. Vi frå Senterpartiets side stør det overordna målet om energisparing, energieffektivisering, og er opne for å drøfte ulike verkemiddel for å nå det målet, og ønskjer samtidig å lyfte fram det betydelege arbeidet som skjer på dette området i dag. Mykje spennande skjer i regi av Enova med gode resultat. Det skal heller ikkje underkjennast.

forslag på mange måter, og at vi har et betydelig potensial når det gjelder energieffektivisering. Representanten Serigstad Valen er en forkjemper for hvite sertifikater. Jeg tror nesten ikke det er en eneste energidebatt der representanten ikke trekker fram hvite sertifikater. Det er jeg veldig glad for. Jeg har skrevet her at representanten Serigstad Valen har et hjertebarn her at representanten Serigstad Valen har et hjertebarn i hvite sertifikater. Jeg ser fram til at regjeringen presenterer en sak nettopp om hvite sertifikater, fordi jeg forventer at SV i regjering vil bruke flertallsmakten sin og presentere en slik sak for Stortinget.

og 40 TWh fram til 2040. Det er en halvering i forhold til den energien som vi i dag bruker. Det sies at skal vi klare dette, må vi sette noen penger inn. Vi må bruke

utnyttelse av energien. Det er vel det denne forsamlingen er opptatt av. Jeg er veldig glad for den merknaden som flertallet har i innstillingen om Enovas framtid. La meg sitere: «Flertallet mener at energieffektivisering vil kunne bli et

og teknologidrivende ordninger.» Vi er egentlig ikke så uenig i saken i forhold til framtiden, for med grønne sertifikater på plass, som vi skal få oss forelagt før påske, som statsråden har lovet Stortinget, vil vi også måtte ha en gjennomgang av Enova. Det er en gjennomgang som Kristelig Folkeparti forventer kommer til Stortinget, og som blir stadfestet her. Men i forbindelse med den gjennomgangen har altså regjeringspartiene her varslet at de ønsker å se på både teknologinøytrale og teknologidrivende ordninger. Kristelig Folkeparti ser fram til denne gjennomgangen. Jeg vil bare si litt kort om Enova, siden flere har vært inne på det. Venstre er
Hjemdal, vær så god.

energieffektivisering. På samme måte som en markedsbasert mekanisme som grønne sertifikater er Venstres foretrukne virkemiddel for ny fornybar energi, er hvite sertifikater et effektivt virkemiddel for å ta ut energieffektiviseringspotensialet i norske bygg. Så jeg støtter representanten Hjemdal i forventningene. Men Venstre ser det også som viktig at Enova har muligheten til å støtte teknologiutvikling av umodne teknologier, og Venstre tar det for gitt at dette forslaget ikke stanser denne typen aktivitet i Enova. Enova bør ha en egen pott til selv om det blir konkurranse mellom modne teknologier. Som et konkret eksempel mener Venstre at Enova f.eks. bør støtte pilotprosjekter om plusshus for å vise at det er mulig å gjennomføre slike ambisiøse, men i dag ulønnsomme prosjekter.

Prosjektet er mangeartet i størrelse og teknologi. I avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova er formålet for Enovas forvaltning av Energifondet rettet mot en langsiktig utvikling av markedene for fornybar energi og energieffektivisering. Enova forvalter et bredt spekter av virkemidler. Jeg vil i den sammenheng også vise til evalueringen av Enova som ble lagt fram for Stortinget i Prop. 1 S for 2010–2011. Regjeringa har en Regjeringa har en omfattende satsing rettet mot å bedre energieffektiviteten i bygningsmassen. I juni 2010 etablerte Enova et nytt og bredere programtilbud innenfor markedsområdet bolig, bygg og anlegg. Dette inkluderer både støtteordninger og ulike former for I tillegg til Enovas virksomhet på energieffektivisering er andre virkemidler viktig, eksempelvis er teknisk forskrift, som forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet, helt sentralt i dette arbeidet. Energieffektivisering er et langsiktig arbeid, og stabile rammer er avgjørende for at satsingen skal effektiv og gi ønskede resultater på sikt. Utvalget av prosjekter som støttes av Enova, skjer innenfor rammene av den avtalen som ligger mellom departementet og Enova, og særskilte mål som er fastsatt av Stortinget. Prosjektene som gir høyest energiresultat pr. støttekrone, blir prioritert. Denne modellen gir betydelig aktivitet på alle satsingsområdene. Jeg mener også at det er en stor grad av teknologinøytralitet i denne modellen.

til de prosjektene som gir mest resultat. Men det er jo en sannhet med modifikasjoner, for regjeringen har jo definert vekk en del teknologier, ikke fordi de ikke er grønne, eller fordi de ikke sparer teknologi, men rett og slett fordi regjeringen mener de er for billige, de er for framtredende i markedet allerede. Det kan godt være et argument, men da er det jo mer et argument for at en vil bidra til en regulering av konkurransen mellom teknologier enn det er et argument for at en vil maksimere energisparingen. Da er spørsmålet mitt – og det blir energisparingen. Da er spørsmålet mitt – og det blir rent prinsipielt: Mener statsråden det er viktigere å stimulere teknologibredden i markedet enn det er å stimulere det totale energisparevolumet? Jeg tror for det første vi kan være enige om hva regjering og regjeringspartier her mener, for jeg brukte uttrykket «stor grad av teknologinøytralitet», og det oppfatter jeg at også andre har gjort. Det tror jeg egentlig også representanten Solvik-Olsen er enig i. Jeg kan bruke et eksempel som har vært mye framme, som viser nettopp denne problemstillingen. Det har vært stort fokus på at en burde gi støtte til kjøp av vedovner. Vedovner er noe som ligger en senterpartist Det er en god måte å bedre energibruken i huset på, men samtidig er det relativt rimelige investeringer det er snakk om i det enkelte hus. Det er store volumer som omsettes hvert år, og hvis en f.eks. skulle gått inn og gjort noe der, ville det i praksis tatt de budsjettene vi har på dette området nå. Jeg mener ikke det er riktig å gå inn og støtte tiltak som jamnt og trutt blir gjennomført, men at man heller skal bruke pengene på å ta ned terskelen økonomisk på gode energieffektiviseringstiltak som ellers kanskje ikke ville blitt gjennomført, fordi det ligger i grenseland for hva en privatperson f.eks. anser som lønnsomt, og anser som aktuelt å gjøre.
logikken til statsråden, men jeg vil likevel utfordre ham, fordi det økonomiske grenselandet vil variere fra person til person, fra inntekt til inntekt. Det som er mulig for Rimi-Hagen å gjøre i sin bygning ved å få vekk oljefyren og få miljøvennlig energi der, vil ikke være mulig for noen andre. Men de som ringer oss på Stortinget og beklager seg over at strømregningen nå er 2 000 kr mer enn normalt, eller 4 000 kr mer enn normalt, har uansett ikke råd til de store kapitalløftene, men de hadde kanskje gjort noe med vedovnen sin eller fått inn en luft-til-luft varmepumpe hvis de hadde fått støtte der. Men det å bore etter jordvarme eller luft til vann er noe de uansett ikke har råd til. Dermed hadde du fått et høyere tempo på den utskiftningen selv om det hadde vært innenfor mer konvensjonelle teknologier enn boring etter varme. Så hadde jo også Jøtul og andre vedovnsprodusenter i Norge kunne glede seg over det.

får igjen. Jeg tror representanten Solvik-Olsen har helt rett i at det fins gode eksempler på enkeltpersoner og enkeltbedrifter, virksomheter som ville hatt nytte av en ordning som hadde et større økonomisk omfang, som hadde en større bredde. Men en kommer ikke bort fra at en må foreta en avveining av de økonomiske hensynene opp mot hva en da mister av mulighet til å introdusere nye teknologier, til å få gjennomført andre tiltak. Jeg kan ta det ett skritt videre og problematisere litt rundt isolasjon av hus, utbytting av vinduer. Det isolasjon av hus, utbytting av vinduer. Det er også gode eksempler på fantastiske, fornuftige energieffektiviseringstiltak. Hvis en går inn på det, snakker vi om relativt store beløp, hvis en skal mene at det også er et område som staten skal involvere seg i. For Høyre er energieffektivisering viktig, og

i Norge raskere enn i 2018, som nå er skissert, og som er langt senere enn i andre europeiske land. Mitt svar på spørsmålet er ja. Så tror jeg det er viktig å utdype og nyansere 2018-begrepet, for verken NVE eller regjeringa har tenkt å vente til 14 dager før den datoen og så installere AMS i hele landet. Vi snakker om en prosess fram mot en dato. Jeg er opptatt av at vi kommer i gang så raskt som mulig. Jeg ser på muligheten for at en kan gjøre det på ulike måter når det gjelder å akkurat det samme som representanten Meling når det gjelder hvor bra tiltaket toveiskommunikasjon er. Da er jeg tilbake der jeg startet. Svaret er ja, og jeg er opptatt av at vi skal se på mulighetene for å komme i gang så raskt som overhodet mulig. Og vi skal være ferdig før 2018, vi skal ikke begynne like før 2018.
Statsråden viste i sitt innlegg til Enovas nye ordning fra i sommer som gjelder mer satsing på energieffektivisering. Nå har vi fått en avtale med Sverige om grønne sertifikater. Vi får et fornybardirektiv på plass i løpet av kort tid, håper jeg. I flertallsmerknaden som jeg viste til i mitt innlegg, står det: «Flertallet mener at energieffektivisering vil kunne bli et enda mer sentralt satsingsområde for Enova etter at dette markedet trer i kraft.» Dette markedet er da for grønne sertifikater. Statsråden svarte i replikkordskiftet i budsjettdebatten mandag med undertegnede at han «har store ambisjoner» for Enova. Det er flott. Kan litt disse store ambisjonene når det gjelder Enovas rolle som en viktig aktør på energieffektiviseringsområdet? Jeg har store ambisjoner for Enova på to måter for 2011. For det første kommer Enova til å forvalte et budsjett som de aldri før har forvaltet, et stort budsjett. Vi har gode rammer for Enovas virksomhet. I tillegg ser jeg for meg et Enova som i 2011 spisser virksomheten sin inn på varme, på energieffektivisering og på teknologiutvikling. I det ligger det en mulighet for Enova til rett og slett å gjennomføre flere prosjekter og samtidig bli enda bedre på på rådgivingssida, på det å være inne og bruke sin kompetanse til å hjelpe og jobbe sammen med bedrifter, virksomheter, for å finne løsninger som er gode, og som leder fram til søknader – som gjennom det leder fram til konkrete resultater. Det gleder meg at statsråden ønsker å innføre AMS så raskt som mulig. Nå vet vi jo at «så raskt som mulig» er et relativt begrep, og

mulig». Mange utfordringer står uløst, selv om de skulle løses «så raskt som mulig». Da er mitt spørsmål til statsråden hva det egentlig innebærer at han skal komme i gang med innføring av AMS «så raskt som mulig». Hvilket konkret tidsperspektiv, ikke for sluttdato, men for påbegynnelsesdato, er det statsråden har i

for at de løsningene som blir valgt, er de endelige løsningene som også våre naboland kommer til å velge, og som ligger inne i de standardene som EU legger til grunn. Der er ikke ting endelig avklart. Det er fortsatt noen prosesser å gå på der, og det det må vi forholde oss til. Men når vi har klarhet rundt det, mener jeg at det ikke er noen grunn til å sitte stille og vente på at 2018 skal komme. Da mener jeg at «så raskt som mulig» er en offensiv inngang til dette, en offensiv tilnærming, og det er det både NVE og departementet kommer til å legge til grunn for arbeidet. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet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

Det er et viktig mål for regjeringen å bidra til fangst og lagring av CO2. Videre har Stortinget, så nær som Fremskrittspartiet, sluttet seg til klimaforliket, som også er klart på CO2-fangst og -lagring. Statsråden har i brev til energi- og miljøkomiteen 10. november 2010 gjort rede for regjeringens strategi for CO2-fangst og

Fangst og lagring av CO2 vil være et av de viktigste tiltakene for å kunne møte veksten i energietterspørselen og samtidig redusere
CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2. CLIMIT-programmet utgjør et sentralt virkemiddel for den norske satsingen på fangst og lagring av CO2. I budsjettet for 2011 ble det tilført om lag 176 mill. kr til CLIMIT. Demonstrasjonsdelen av programmet finansieres gjennom avkastningen fra Gassteknologifondet og disponeres av Gassnova. FoU-delen finansieres over statsbudsjettet og disponeres av Forskningsrådet. Denne regjeringen gjennomfører en stor satsing på fangst og lagring av CO2. Vi jobber både i Norge og internasjonalt for en raskere utbredelse av fangst- og lagringsteknologi. Prosjekter for håndtering av CO2 er komplekse, og det vil alltid være Når det gjelder prosjektet på Mongstad, har regjeringen varslet at den vil komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. Det vil i den anledning bli en god mulighet til å være med og debattere Regjeringen har laget en plan for fangst og lagring av CO2. Det er satt i gang en rekke initiativer både på FoU-siden og på demonstrasjonssiden. Teknologier på dette området er fortsatt i stor grad uprøvd i større skala. Regjeringen er med ansvar for en nødvendig teknologiutvikling innenfor fangst og lagring av CO2. Regjeringens politikk tar utgangspunkt i en grundig, kunnskapsbasert strategi. Dette er spesielt viktig i slike saker, som gjerne er kostbare, og har store implikasjoner. Jeg registrerer at det i disse sakene stadig presenteres løsninger fra opposisjonen, hvor hensynet til miljøet, til forurenser-betaler-prinsippet og langsiktigheten er inne i litt varierende grad. Det er for øvrig også grunn til å merke seg at opposisjonen ikke er enige seg imellom i disse spørsmålene. Flertallet i komiteen innstiller på at dette forslaget ikke bifalles.

for et vedtak gjelder kun til et nytt vedtak gjøres. Dette er et typisk eksempel på det – ikke fordi noen fra opposisjonen ønsker å sabotere eller trenere det som skjer, men rett og slett fordi vi tror det er mulig å få det inn på en bedre kurs enn den vi har i dag. Vi tror det er større sjanser for suksess ved å velge en annen retning, andre virkemidler. Derfor må Stortinget kunne ta en debatt om strategien. Så det er ikke et argument mot forslaget. Det er behov for å ta en liten stans, en pust i bakken, og løfte blikket for å se om kursen er rett. Det kan en gjøre uten at en forsinker det som skjer på Mongstad, for det er det Gassnova som administrerer. Vi kan ikke vedta suksess, understreker de rød-grønne partiene. Der er jeg som sagt helt enig. Dette er en teknologi som må utvikles. Men erfaringene viser at det som regjeringen la til grunn i Soria Moria I, har blitt skrinlagt – alt sammen. En skulle rense Kårstø i 2009. Det skal en ikke lenger. Senere – etter at Soria Moria ble vedtatt – kom en med en ny plan. Da skulle en utvikle en teknologi for rensing på Mongstad innen 2014. En skal ikke lenger rense innen 2014 – det er utsatt. Kostnadene i tilknytning til testsenteret anslås nå til 6 mrd. kr, og det øker for hver gang statsministeren omtaler det. Det er sagt at det skal brukes 4 mrd. kr på prosjektering av fullskala rensing – en teknologi man ikke vet hvordan skal være. Vi vet ikke hvordan dette blir, men en skal altså bruke opptil 4 mrd. kr på prosjektering. I 2006 var det snakk om å realisere et gasskraftverk på Tjeldbergodden. Shell og Statoil gikk sammen for å få en helhetlig verdikjede for CO2-håndtering. Da sa den første rød-grønne energiministeren, Odd Roger Enoksen, at han var sikker på en realisering av prosjektet. Det var i mars 2006. Statsministeren uttalte i en NTB-melding i begynnelsen av mars at han ikke bare var sikker på prosjektet, men han regnet med at dette kunne gjennomføres uten statlige bidrag. Prosjektet er skrinlagt. Alle visjonene som denne regjeringen har hatt, er lagt i grus eller utsatt. Det er gjerne et tegn på at en bør ta en strategidebatt, ikke bare ha en årlig redegjørelse for Stortinget. For det betyr at regjeringen informerer, men det blir altså ikke rom og tid for en skikkelig debatt. Det legges det ikke opp til når en i tillegg skal behandle budsjettet – derfor denne saken her. Vi vet at det skjer mange spennende ting utover det regjeringen holder på med. mange år siden en konsesjonssøknad om å få bygge gasskraftverk med rensing på Melkøya. De fikk avslag av denne regjeringen, som krever rensing på alle konsesjoner. Siemens har nylig sagt at de vil inn på Mongstad, men det vil kreve betydelige kostnader som Gassnova ikke har penger til å dekke. Carbon stiller seg spørrende til den amindebatten som er i Norge, og viser til at de er inne i et stort prosjekt som skal realiseres i Skottland. Dette drøftes ikke av dagens regjering. I det siste har også Industrikraft Møre kommet på banen igjen. De har fått konsesjon, men de har en utslippstillatelse som forutsetter rensing fra dag én, men staten har sagt at en ikke skal gå inn og bidra. Det er det samme som å si at det gasskraftverket realiseres. Da er det en gyllen mulighet for dette kongeriket til å bedre den strategien som alle partiene har stilt seg bak. Vi står altså her med en regjering som sier at jo, vi skal bruke 25 mrd. kr på fullskala rensing på Mongstad en eller annen gang i framtiden, og vi skal bruke 4 mrd. kr på å prosjektere det, men vi nekter som regjering å diskutere om vi heller kan være med og realisere et lignende prosjekt for privat kapitalrisiko i Møre og Romsdal. For meg er det ganske oppsiktsvekkende. Hvis privat kapital er villig til å ta en risiko på prinsippet om «no cure, no pay» til en langt lavere kostnad enn det som er kostnadene for Mongstad, synes jeg det er spesielt at statsministeren i spørretimen i går sa at nei, uansett skal dette skje på Mongstad. Den type debatt må vi kunne ta, altså regjeringen få lov til å legge premissene for debatten med at en ikke legger føringer i forslaget, men bare ber om at regjeringen kommer til Stortinget med en slik debatt. I en slik debatt burde en også diskutere om det finnes muligheter for bruk av CO2. Det finnes mange steder det forskes på å anvende CO2 i en kommersiell verdikjede. Det ville gjort det enda mer interessant for privat kapital.

Hensikten med vår satsing på teknologiutvikling innen CCS må derfor være å gjøre en forskjell internasjonalt. I lys av vår rolle som en stor olje- og gasseksportør har vi et medansvar for å bidra til dette. En nasjonal strategi for CO2-håndtering vil klargjøre hvordan vi best bidrar til å nå målene om på den ene siden å rense nasjonale utslipp og på den andre siden å bidra til å realisere en kostnadseffektiv teknologi med internasjonal anvendelighet. Samtidig vil en helhetlig plan for CCS i Norge også bidra til klarhet i fremtiden for teknologisenteret på Mongstad, som har et betydelig potensial som senter for testing og videreutvikling av CCS-teknologi i mange tiår fremover. Høyre har hele tiden støttet – og er fortsatt tilhengere av – en sterk offentlig satsing på forskning og utvikling av renseteknologi for kraftproduksjon fra fossile energikilder. Imidlertid har ikke Norge ubegrenset med ressurser til noe formål – heller ikke til dette. Derfor er det avgjørende at vi får Norges første fullskala renseanlegg bør derfor realiseres der det har størst læringsverdi og lavest kostnader. Regjeringen varslet i forslaget til statsbudsjett for 2011 at prisen for rensing av kraftverket på Mongstad anslås til 20–25 mrd. kr. Det er mye penger – og sannsynligvis avskrekkende for andre land og aktører som vurderer CCS i klimakampen. Regjeringen har også, klok av skade, varslet at investeringsbeslutningen kan bli ytterligere utsatt grunnet teknologiske og økonomiske komplikasjoner. Hittil har beslutningen blitt skjøvet på til 2014, med forventet ferdigstillelse tidligst i 2018. Regjeringen åpner også for å vurdere andre teknologier for fullskala rensing enn den aminbaserte. Alt dette viser hvor krevende det er å bygge et fullskala anlegg på et varmt anlegg inne på et raffineriområde. Konserndirektør i SINTEF, Torstein Haarberg, mener det knapt finnes et dyrere sted i verden å bygge et slikt anlegg enn på Mongstad. De høye kostnadene og det faktum at anlegget neppe vil stå ferdig før om ti år, gjør det krevende å forsvare investeringene. Verdien for Norge og verden synker i takt med at prisen stiger og prosjektet drar ut i tid. Høyre står ved sine forpliktelser i klimaforliket. Dermed er det ingen tvil om at vår ambisjon om å rense Mongstad og andre store punktutslipp i Norge står fast. Imidlertid er det helt nødvendig å ha en tverrpolitisk plan for hvordan vi best innfrir den ambisjonen, samtidig som læringsverdien i nasjonale og internasjonale CCS-prosjekter øker. Det er relativt bred enighet utenfor dette huset om at det neppe er mulig å innfri klimaforliket dersom vi legger regjeringens strategi og tempoplan til grunn. Derfor er tiden kommet for å tenke nytt. Vi merker oss at viljen til å gjennomføre konkrete klimatiltak har vist seg svært begrenset i regjeringspartiene, men Høyre har fremdeles håp om at regjeringen kan være med og bidra til en mer offensiv CCS-strategi. Når kart og terreng skiller lag, er det klokest å følge terrenget. Høyre mener derfor at det første fullskala renseanlegget i Norge bør realiseres raskest og rimeligst mulig i et nytt gasskraftverk. Det må være viktigere for verden at det realiseres et anlegg raskt – kanskje allerede i 2014 – enn at det realiseres på Mongstad i 2018 eller senere. Realiseringen av et fullskala anlegg med rensing integrert fra dag én vil være teknologisk banebrytende, og erfaringene fra bygging og drift av et slikt anlegg kan også gjøre at det ettermonterte anlegget på Mongstad kan realiseres billigere og raskere. Det er ingen tvil om at staten må bidra til å realisere det første fullskala renseanlegget i verden. Det er underlig at regjeringspartiene ikke ser paradokset i at man er villig til å betale 25 mrd. kr for å rense et halvt gasskraftverk på Mongstad i 2018 eller senere, men ikke er interessert i å bidra med en brøkdel til et anlegg som kanskje kan stå ferdig allerede i 2014. Representanten Serigstad Valen har tidligere vært veldig opptatt av salderingen av kostnadene ved et slikt anlegg. Jeg håper han kan stille seg bak prinsippet om at staten kan og bør bidra i denne fasen, så kan vi på et senere tidspunkt ta debatten om hvorvidt salderingen skal skje gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, utskriving av nye avgifter eller på andre måter. Til slutt: Det er viktig at en fremtidig CCS-strategi for Norge ses i sammenheng med EUs planer for en felles infrastruktur for CCS. Vi bør også legge til grunn finansieringsmodeller som tydelig avgrenser skattebetalernes økonomiske ansvar og statens ansvar knyttet til teknologisk risiko. Åpne internasjonale anbudsrunder basert på prinsippet om «no cure, no pay» må ligge til grunn for realiseringen av fremtidige renseanlegg i Norge. Helt vesentlig i en nasjonal strategi for CCS må også være løsninger som tilfredsstiller behovet for transport og lagring av CO2 og en plan for fremtidig bruk av teknologisenteret på Mongstad.

fiction. Det er heller ikke så mange år siden menneskeskapte klimaendringer var noe de færreste var bekymret for – enkelte partier mente til og med at det var noe som venstresiden hadde funnet på sammen med miljøbevegelsen. CO2-rensing må anvendes på tusenvis av utslippspunkter i verden i løpet av ikke så veldig mange år. Én ting er å å ha rensing på nye utslippspunkter – som jeg oppfatter at f.eks. representanten Astrup er veldig opptatt av med hensyn til at det vil redusere prisen på renseprosjekter – en annen ting er at veldig mye av det vi skal rense i verden, er anlegg som allerede er i drift. Det er raffinerier, det er kraftverk og det er industrianlegg som allerede slipper ut mye CO2, der vi må ettermontere rensing. Det er det så langt ingen som har fullført i verden på Det betyr at Mongstad-prosjektet i høyeste grad er relevant for veldig mye mer enn Mongstad, fordi Mongstad, som representanten Astrup og andre har vært inne på og helt korrekt sier, er et veldig vanskelig anlegg å rense. Det viser jo også prosessen til nå. Det er tekniske utfordringer. Det er økonomiske utfordringer. Gassnova anser aminteknologien som så langt er valgt på Mongstad, som den mest modne teknologien for CO2-rensing. Den teknologien har likevel, som vi kjenner til, utfordringer knyttet til seg når det gjelder helsefaren ved utslipp av nitrosaminer til luft, som en del av renseprosessen. Det er enda en ting vi må ta oss tid til å se på og være sikre på at vi har kontroll på når vi bygger et

fra å ville avskaffe det man kaller særnorske krav til CO2-rensing fra dag én ved bygging av nye kraftverk i Norge, til å ville bygge flere gasskraftverk i Norge med rensing fra dag én, der staten skal betale. Det er jo også en interessant ideologisk tilnærming fra den ideologiske fløyen i Stortinget, som vanligvis pleier å messe om at forurenser skal betale, at staten skal ta en rekke renseregninger framover. Det synes jeg er interessant. Så er det også sånn at Mongstad foreslås flyttet til de fleste steder etter hvert. Jeg har lagt merke til at Venstre ønsker å flytte Mongstad-prosjektet til Kårstø. Høyre ønsker å flytte Mongstad-prosjektet til Elnesvågen. Personlig er jeg veldig begeistret for planene om et CO2-fritt gasskraftverk i Elnesvågen som kan bidra til å løse kraftproblemene i regionen, men jeg jeg registrerer jo også at Høyre har brukt mine utspill om det til å spre desinformasjon om hva SV mener om saken. Det jeg gjør, er å ta den naturlige konsekvensen av at regjeringen har gitt konsesjon til et gasskraftverk i Elnesvågen, og at det skal renses fra dag én. Og så er det ingen hemmelighet at jeg mener at det bør være rom for å bruke CO2-avgiften som et mer aktivt virkemiddel for å utløse lønnsomhet i flere renseprosjekter i dette landet, og det håper jeg er én av tingene vi kan diskutere i forbindelse med klimameldingen. Representanten Solvik-Olsen sier at vi må stoppe opp, løfte blikket og ta en statusoversikt. Det er jo det vi gjør når regjeringen har varslet at med en oppdatering på Mongstad-prosjektet. Vi har en plan for CO2-håndtering i Norge. Det er å rense Mongstad og Kårstø. Jeg registrerer at andre partier prøver å så tvil om regjeringens intensjoner. Jeg forholder meg til at vi skal nå de målene vi har satt oss i klimaforliket, og da er det mange utslipp som skal kuttes i årene som kommer.
til at Kristelig Folkeparti i forrige stortingsperiode fremmet forslag i Stortinget om en handlingsplan for CO2-håndtering fra store punktutslipp i industrien. Rensing av store punktutslipp i industrien er et av de mest effektive og målrettede tiltak for å få til store nasjonale Per i dag finnes det mer enn ti industrianlegg i Norge med årlig utslipp av mer enn 400 000 tonn CO2-ekvivalenter. Staten er medeier i seks av disse industrianleggene. Dette gir en mulighet for iverksettelse av samarbeidsprosjekter om CO2-fangst og CO2-lagring. Men da trengs det altså en helt annen og mer helhetlig tilnærming til CO2-håndtering fra regjeringens side.

Et av argumentene som nå brukes som forklaring på utsettelsen på Mongstad, er at dette er et varmt anlegg i drift inne på et raffineriområde. Det får et litt komisk skjær over seg, siden dette ikke bør være en nyhet for regjeringen. Nå som man ser at ting ikke går helt som forutsatt, er det visst ikke så farlig lenger, Representanten Serigstad Valen har sagt i Romsdals Budstikke at det vil ikke være noe nederlag for SV om det skulle komme et renseanlegg i Fræna før på Mongstad, og representanten har gjentatt det samme i tidligere innlegg denne debatten. Representanten Marthinsen sa i budsjettdebatten her på mandag at «det er ingen prestisje knyttet til at fullskala rensing på et av disse stedene må realiseres først». Når det gjelder «disse stedene», refererer hun da til Kårstø og Soria Moria-erklæringen sier man at staten skal bidra økonomisk til CO2-rensing av gasskraftverk. Ingen vil derimot konkretisere hva dette betyr. Aktørene spør seg om dette bidraget innebærer 1 pst. eller 100 pst. av kostnadene, eller om myndighetene er villige til å garantere en fastpris per tonn CO2 som leveres ferdig renset fra et gass- eller kullkraftverk. Kristelig Folkeparti mener at det er behov for en mer helhetlig tilnærming til CO2-håndtering i Norge. En helhetlig sak fra regjeringen om CO2-strategi kunne bidratt til å sette ressursbruken på Kårstø og Mongstad i perspektiv til andre prosjekter. Med de store forsinkelsene vi nå ser på Mongstad, snakker vi ikke lenger om en månelanding. Norge er i dag langt unna den opprinnelige tanken om å påta seg et ansvar for å bygge og realisere et av de aller første fullskala CO2-renseanleggene i verden. Vi er vel i ferd med å havne i bakleksa, og leverer ansvar og kostnader for teknologiutvikling over til andre land. Istedenfor å resirkulere de samme pengene hvert eneste år i budsjettet til et prosjekt som stadig utsettes, bør regjeringen nå åpne opp for å ta regningen for rensing av CO2 et annet sted. Mye tyder på at det vil bli langt billigere å bygge kraftverket og renseanlegget parallelt, samt at man ikke bygger det inne på et eksplosjonsfarlig raffineri. Som et eksempel har Industrikraft Møre fått konsesjon for å realisere et gasskraftverk i Elnesvågen i Fræna, med krav om CO2-fangst fra første dag. Kristelig Folkeparti mener regjeringen bør åpne for bygging av et nytt gasskraftverk, fortrinnsvis i Midt-Norge, forutsatt krav om rensing fra dag én, og at staten tar regningen for renseanlegget. Kravet om rensing av Kårstø og Mongstad Mongstad må fortsatt ligge fast. Det må det ikke være noen tvil om, mener Kristelig Folkeparti. Kristelig Folkeparti støtter representantforslaget vi nå debatterer, og ber om at regjeringen fremmer en sak om en helhetlig plan for CO2-håndtering i Norge, slik at vi får litt perspektiv over denne

Jeg ønsker å begrunne hvorfor Venstre ønsker å stemme for forslagene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre. Representanten Solvik-Olsen gikk gjennom historien. Jeg skal selvsagt ikke gjenta den. Og så er det rett, som Snorre Serigstad Valen sa i sitt innlegg, at Venstre har tatt til orde for å se på om ikke Kårstø bør tas ut av skuffen for å realisere et CO2-fangstanlegg som kan komme på plass raskere, bli billigere og rense mer CO2 enn på

halvparten av hva den var i 1998, korrigert for inflasjon. Forventningene om fremtidig kvotekostnad er lave, og det stilles ikke strenge nok krav i utslippstillatelsene som er gitt. Venstre mener det er på høy tid å innføre bedre virkemidler for å kutte utslippene fra de store utslippskildene i Norge.

de store økningene som har vært i kostnadene for CCS-prosjektene, er det også lite aktuelt å inngå nye lovnader for å gjennomføre flere prosjekter finansiert over statsbudsjettet, slik det er Klimakur 2020 viser at potensialet for CO2-reduksjoner i industrien, på offshoreinstallasjonene og på gasskraftverkene er stort. Klimakur viser også at det vil bli vanskelig og dyrt å gjennomføre det klimaforliket som Stortinget har vedtatt, dersom man ikke gjør noen tiltak ved de store Situasjonen er den samme globalt. FNs klimapanels fjerde hovedrapport, IEA og OECD har utredet at CCS i stor skala er et avgjørende klimatiltak for å gjennomføre tilstrekkelige globale utslippsreduksjoner. I IEAs CCS-veikart fra 2009 tegnes behovet for 100 fullskalarenseanlegg i I IEAs CCS-veikart fra 2009 tegnes behovet for 100 fullskalarenseanlegg i drift innen 2020 og 3 400 anlegg innen 2050. Riksrevisjonen la nylig fram en rapport, der de viste til at det ble gjennomført få klimareduserende tiltak på norsk

En viktig del av den nasjonale strategien for CO2-håndtering er å opparbeide kunnskap og erfaring for etablering av prosjekter i Norge samt å satse på forskning og utvikling. Målsettingen er at Norge skal ha en lederrolle i dette, og at vi både i Norge og internasjonalt skal ha CO2-håndtering som et kraftig tiltak for å redusere verdens utslipp av klimagasser. Hoveddelen av denne norske satsingen skjer på Mongstad, og den skal skje i to steg. Teknologisenteret for CO2-fangst, som nå er under bygging, er første steg i denne satsingen. Den videre gjennomføringen av prosjektet må skje på en økonomisk og teknisk forsvarlig måte. Det blir lagt opp til at arbeidet med å kvalifisere aminteknologier vil fortsette, slik at disse teknologiene kan møte de utslippskravene for aminer som vil bli stilt i framtida. Samtidig vil regjeringa vurdere om det bør legges til grunn alternative løsninger for den videre prosjektgjennomføringen, som også omfatter eventuell åpning for alternative teknologier. Dette kan medføre at prosjektplanleggingen, som er påbegynt, kan ta lengre tid. Målet er å sikre et

unik kompetanse på lagring av CO2 i geologiske formasjoner. Regjeringa har igangsatt et CO2-transport- og lagringsprosjekt som skal sørge for at CO2 fra Mongstad blir transportert og lagret på en trygg måte. Utgangspunktet er at en løsning for transport og lagring skal kunne stå klar ved oppstart av det planlagte fullskalarenseanlegget. I tillegg er det igangsatt et større arbeid under ledelse av Oljedirektoratet, knyttet til en brei kartlegging av potensielle CO2-deponier på norsk sokkel. Forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2 fra fossilbasert kraftproduksjon og -industri er sentralt for det videre arbeidet med CO2-håndtering, og er ivaretatt gjennom det nasjonale CLIMIT-programmet. CLIMIT-programmet støtter et vidt spekter av forsknings- og industriaktører, og bidrar således til bredde i utviklingen av nye og eksisterende teknologier. CO2-håndteringsprosjekter er svært komplekse, de er ressurskrevende. Sjøl om byggearbeidet er i full gang på teknologisenteret og planlegging av fullskalarenseanlegget pågår på Mongstad, er den konkrete satsingen fremdeles i en innledende fase. Det er viktig å dra nytte av de konkrete erfaringene fra den eksisterende satsingen på Mongstad. I tillegg til arbeidet på Mongstad vil kunnskap og erfaringer fra transport- og lagringsarbeidet og fra CLIMITs satsing på forskning og utvikling av fangstteknologi danne basis for den videre utviklingen av arbeidet med CO2-håndtering i Norge. Regjeringas nasjonale og internasjonale satsing på CO2-håndtering blir det jevnlig redegjort for i forbindelse med budsjettproposisjonene som behandles av Stortinget gjennom året. I tillegg har Stortinget fått seg forelagt omfattende informasjon i tilknytning til vedtak om å opprette Gassnova SF, jf. St.prp. nr. 49 jf. St.prp. nr. 38 for 2008–2009, Investering i teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad. Jeg mener Stortinget på denne måten holdes godt orientert om regjeringas strategier og satsing innenfor CO2-håndtering, og vil, som nevnt, i tillegg komme tilbake til Stortinget med en brei gjennomgang av denne jobbingen raskt på nyåret. Det blir replikkordskifte. Det snakkes om at en har en plan, men den planen er jo strengt tatt begrenset til

Det som blir spørsmålet, er altså hva som er viktigst for denne regjeringen. Er det tid, eller er det sted? Fremskrittspartiet har vært veldig skeptisk til at vi skal vedta et tidspunkt for at en teknologi skal være utviklet. Men hvis aktører utenfor kommer med en teknologi som viser seg å være mer moden enn det en får til på Mongstad, vil det være naturlig å si at tid er viktigere enn sted. Hvis aktører for egen risiko sier at dette kan vi bygge, men hvis det ikke virker, skal vi ikke ta betalt, men virker det, må vi ha en gulrot i den andre enden: Da er tid viktigere enn sted. Er statsråden enig i en slik tanke? Eller er Mongstad så viktig for regjeringen at en automatisk vil velge vekk alle alternativer hvis det ikke skjer på Mongstad?

Det er feil. Det vi gjør i Norge, er svært interessant globalt. Vi merker at det er konstant oppfølging av vedtak, beslutninger og prosesser i Norge rundt dette også fra internasjonalt hold. Når vi har valgt Mongstad, er jo det basert på et ønske og en plan om å gjennomføre et konkret prosjekt. Så er det slik, som representanten sier, at det dukker opp andre forslag underveis også i denne prosessen. Jeg tror det er viktig å minne hverandre på én ting rundt dette – det er at når vi har jobbet oss gjennom Mongstad-prosjektet, møter vi også de konkrete utfordringene som ligger i det. I de andre prosjektene har vi ikke kommet så langt

Et spørsmål til statsråden kunne da være om det er noen smertegrense for statsråden for hva man er villig til å betale før man innser at man er nødt til å få prisen ned før man går videre. Nå har jo prisen steget betydelig det siste året. Den er vel nær doblet per tonn CO2, så det kunne være et nærliggende spørsmål å stille. Et annet er jo det konkrete, om staten kunne være villig til å støtte et gasskraftverk med rensing et annet sted allerede nå, da basert på det prinsippet som representanten Solvik-Olsen nevnte, nemlig «no cure, no pay». For å fortsette begynte på til representanten Solvik-Olsen, noe som også ligger i representanten Astrups spørsmål: Det er viktig å få med seg detaljeringsgraden på Mongstad-prosjektet, sammenlignet med andre prosjekter. På Mongstad har vi nå jobbet oss dypt ned i detaljene, vi jobber med gjennomføringsavtaler med etter hvert god oversikt over små og store problemer – utfordringer videre i prosjektet. Det drar sjølsagt opp utfordringer i forbindelse med at en ser kostnader og tidsbruk, og teknologiske utfordringer. I de andre prosjektene som har vært diskutert i Norge, har vi ikke kommet så langt. Derfor vil jeg advare litt mot å sammenligne Mongstad-prosjektet med andre prosjekter per i dag, for modenheten i prosjektene og kunnskapen om, kjennskapen til, utfordringene er så forskjellig. Det vil garantert dukke opp utfordringer knyttet til andre eventuelle CCS-prosjekter i Norge som ikke er kjent i
Undertegnede er veldig glad for at statsråden sier at vi tidlig neste år vil få en sak om Mongstad. Det tror jeg er veldig lurt. Ja, vi bruker penger på CO2-rensing, selv om det under debatten om en sak tidligere i dag kom fram at 70 pst. av årets bevilgning ikke brukes. Men vi bruker altså penger. Med hensyn til Kårstø sa statsråden til undertegnede i mai at han trengte litt tid før han kunne komme tilbake til Stortinget med en sak om rensing. Nå får vi til svar at den kommer i klimameldingen neste høst. Men i Soria Moria-erklæringen, som jeg viste til i mitt innlegg, sies det at man skal bidra økonomisk til CO2-renseanlegg på gasskraftverk. Mitt spørsmål i denne sammenheng er: hva ligger i Soria Moria-erklæringen, som er regjeringens regjeringsgrunnlag? Det som ligger både i Soria Moria og i den praktiske politikken vi gjennomfører, er at vi bruker mer penger på fangst og lagring av CO2 enn gjort noen gang før i Norge. Vi er inne i en historisk periode når det gjelder teknologiutvikling på dette området. Vi har et arbeid på gang som vil resultere i det mest konkrete så langt med tanke på å håndtere klimaproblemer knyttet til fossil energibruk. Så jeg mener at dette er svært ambisiøst. Og så har vi sagt at Mongstad-prosjektet og det vi jobber med der nå, er stort, og det nå, er stort, og det er teknologisk utfordrende, så nå konsentrerer vi oss om det i første omgang. Så er ikke det noe endepunkt, det er ikke slutten på en satsing knyttet til fangst og lagring av CO2, men jeg tror vi sammen skal erkjenne hvor stort løft det er vi har tatt på oss, hvilke koder som skal knekkes, hvor mye teknologiutvikling det reelt sett er snakk om når vi skal realisere et fullskala
etter mitt skjønn sammen testsenterarbeidet og fullskala rensing. Vi har altså ikke tatt en investeringsbeslutning når det gjelder fullskala rensing på Mongstad ennå. Det skal gjøres tidligst i 2014. Det vi har forpliktet oss til, er et testsenter, og det er det ingen i denne salen som utfordrer i denne debatten. Testsenteret skaper interesse. Men fullskala rensing – det er her vi spør: Vil regjeringen kikke utover Mongstad-prosjektet hvis det kommer en aktør som ikke er kjent i dag, med en teknologi som regjeringen ikke vet om i dag, men som på kammerset har funnet opp noe som regjeringen ikke har tenkt på? Hvordan vil den aktøren da bli behandlet? Vil han kunne få de samme vilkår som Statoil er gitt på Mongstad, eller vil han bli lagt ute i et vakuum, fordi de ikke passer regjeringen å ha noen som kan utfordre Mongstad? Det er rett og slett det som er spørsmålet: Vil en behandle andre aktører som kommer med noe oppsiktsvekkende nytt, på en måte som faktisk gjør det mulig å realisere det? Selv om en kommer med et prosjekt som bare er 10 pst. av kostnadene på Mongstad, er det ingen som vil realisere det i Norge hvis det ikke er en gulrot i den andre enden. For det første er jeg ikke enig i det representanten Solvik-Olsen sier knyttet til internasjonal interesse. Jeg blandet ikke teknologisenteret og fullskala rensing. Det er stor internasjonal interesse også for det planleggingsarbeidet som gjøres på Mongstad knyttet til fullskala rensing. Det er interessant. Når det gjelder det å jobbe videre med ulike prosjekter, vil jeg gjenta det jeg sa i stad, som jeg mener er et klart budskap, som går på å se verdien i det utviklingsarbeidet som så langt er gjort. Det er noe som heter at gresset ofte er grønnere på den andre sida av gjerdet – det kan iallfall virke slik – og i denne saken er det lett å bøye unna fordi en syns at de teknologiske utfordringene på Mongstad blir store. Men vi må huske på at hvis vi går inn på andre prosjekter istedenfor Mongstad, er det ikke slik at de er enkle.

Er da staten villig til å gå inn med et gitt beløp i en åpen anbudsrunde på en «no cure, no pay»-basis f.eks. i Midt-Norge? Jeg syns det er ekstremt viktig å få fram den ulike modenheten som ligger i den ulike modenheten som ligger i de ulike prosjektene. Noen er veldig skråsikre i dag på hvordan andre prosjekter ville kunne gjennomføres og hvilke lettelser i forhold til komplikasjoner som ville oppstå ved å velge andre løsninger osv. Jeg syns det er interessant at noen er relativt skråsikre på at det vil være løsninger som løsninger som ville være enklere å gjennomføre. Jeg har sagt mange ganger før i denne salen at Mongstad-prosjektet er svært krevende, og nettopp det vi nå gjør, er å ta inn over oss teknologiske utfordringer og sørge for at prosjektet framover blir styrt på en så god måte som overhodet mulig, knyttet til økonomi og teknologiutvikling. Jeg sa også i mitt innlegg at nettopp det å se på teknologien som skal anvendes, er en del av den jobben vi nå gjør. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg synes det som kommer fram i replikkordskiftet, er ganske avslørende for regjeringens holdning. Opposisjonen sier jo ikke at andre prosjekter enn Mongstad nødvendigvis er enklere enn Mongstad. Vi sier ikke at det er uten problemer. Det vi spør om, er hvordan regjeringen prinsipielt vil stille seg om det kom en konkurrent som sier: Vi vil ta risikoen ved å bygge et CO2-renseanlegg før dere bygger på Mongstad. Hvordan ville regjeringen stille seg til det? Sett at den da ville si: Jo, vi gir dere finansiering, vi kjøper CO2-en. Vi garanterer for det, hvis dere får til rensing. Får dere det ikke til, får dere ingen inntekter. Da er det jo opp til denne konkurrenten å avgjøre om en vil ta denne risikoen, om en tror på teknologien, og dukker det opp problemer underveis, er det selvsagt konkurrentens utfordring. Det er ikke noe vi trenger å bekymre oss om. Det statsråden her nekter å ta stilling til, er om en skal forholde seg til at det finnes andre ideer i det hele tatt, eller om en bare skal se på sine egne problemer og si at de er så store at ingen andre kan komme før oss, fordi vi nekter å tro at andre har mindre problemer enn oss. er jo det statsråden sier, og det vitner om at det er så mye prestisje i dette at en ikke klarer å løfte blikket og se helheten. Det tror jeg skader norsk strategi på dette området mer enn det tjener den. Ja, jeg er fullstendig klar over at det også er interesse for fullskala rensing på Mongstad, men det er ikke gjort et vedtak. Det som er interessant, er like mye norsk vilje til å betale 25 mrd. kr for det, som det er troen på at det faktisk lykkes. Det er bl.a. kommentarer som amerikanerne i USA har om Stephen Chus besøk på Mongstad. Så en kommentar til representanten Serigstad Valen: Regjeringen har en plan på Mongstad. De har ikke en plan for Norge. Det er opposisjonens påstand. Det er derfor vi fremmer dette forslaget. Så er det også feil å skape et inntrykk av at nå er det en del opposisjonspartier som er i fri bevegelse, fra plutselig å være imot alt til plutselig å ville at staten skal finansiere flest mulig. Fremskrittspartiet har hatt et prinsipp hele veien i denne debatten, fra dette i klimameldingen der SV i innstillingen sa at CO2-renseteknologi er svært komplisert og var mer negativ enn Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, og det har vært at vi må se to parallelle prosjekter. De som får konsesjon for gasskraftverk, skal få det uten forpliktelser om CO2-rensing, for de skal inngå i det samme EU-rammeverket, som betyr at de får CO2-kostnader på linje med sine konkurrenter – ikke mer, ikke mindre. Så skal nå eventuelle statlige krav om CO2-rensing være noe som staten også tar garantiene for å finansiere. Det er jo akkurat det prinsippet regjeringen til slutt endte opp med på Mongstad – og at det skal være så vanskelig å si at det skal gjelde andre steder, forstår jeg ikke, med mindre regjeringen faktisk ikke ønsker konkurranse på Mongstad. Fremskrittspartiet ønsker at det skal være mulig for en aktør å se hva kostnadene og inntektene er med å bygge gasskraftverk, og så skal man gjerne ha krav om CO2-rensing. Men da må vi gjøre som Kristelig Folkeparti har sagt, som Fremskrittspartiets støtter – og dermed er klimaproblematikken ferdig mellom oss to – nemlig at staten tar ansvaret for kostnadene utover CO2-kvotesystemet. Statsministeren har selv sagt at det ikke betyr noe om vi har CO2-rensekrav i Norge, for alt går inn under det europeiske kvotesystemet uansett. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen

Venstres forslag inneholder fire punkter: Punkt 1 dreier seg om opprettelse av et teknologiutviklingsprogram med tvungen deltagelse fra industrien, og hvor disse skal stille med alle nødvendige ressurser. Under punkt 2 bes det om at regjeringen nedsetter et utvalg for å avdekke nødvendige endringer i vilkår på norsk sokkel som følge av erfaringene i Mexicogolfen. Under punkt 3 bes det om at det innføres midlertidig stans i tildelinger av nye lete- og utvinningstillatelser i påvente av at punkt 2 i forslaget er gjennomført

om at det er risiko forbundet med all aktivitet, og at det derfor er viktig at vi har et konstant fokus på hvordan vi kan videreutvikle standarder for helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel, og også hvordan vi i best mulig grad kan ivareta oljevernberedskapen. Denne bekymringen deles av både myndigheter og industri. Petroleumstilsynet opprettet allerede 7. mai som skulle se på hvilke forhold knyttet til denne ulykken Norge kunne dra lærdom av. Denne prosjektgruppen er også i direkte kontakt med myndigheter i USA. Det varsles fra regjeringen at erfaringene fra denne ulykken bl.a. vil tas med i Arbeidsdepartementets stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet, som planlegges fremmet i løpet av vårsesjonen Også industrien har arbeidet med disse spørsmålene, bl.a. gjennom et eget industriinitiativ som norsk olje- og gassindustri gjennom OLF, Oljeindustriens Landsforening, startet som et oppfølgingsprosjekt etter ulykken med «Deepwater Horizon». Dette prosjektet skal samle relevant informasjon fra granskingsrapporter og andre kilder for å vurdere hvilken påvirkning dette bør ha for norsk industri og for norsk regelverk. Prosjektet skal også vurdere behov for utvikling av nye metoder, standarder og teknologi for å forhindre eller begrense konsekvensene av liknende uhell. Dette viser at både norske myndigheter og norsk industri ser alvoret i hendelsen og betydningen av både å trekke lærdom og videreutvikle våre egne sikkerhetskrav. En akutt utblåsing av dette omfanget har selvfølgelig påvirkning på miljøet – og dessverre også tap av menneskeliv. Det er imidlertid verdt å merke seg at National Oceanic and Atmospheric Administration anslår at 74 pst. av oljen enten er samlet opp, brent, naturlig oppløst i vann eller fordampet.

Norge har blant verdens strengeste krav til sikkerhet på sokkelen, kanskje har vi de strengeste kravene. Dette har medført at norske bedrifter og kompetansemiljøer har blitt brukt og vært bidragsytere til å finne løsninger på både akuttutslippet og oppryddingen etter Mexico-ulykken. Videre har både amerikanske og andre lands myndigheter sett til Norge og vårt regelverk og forvaltning for å videreutvikle egne forvaltnings- og sikkerhetsregimer. Jeg er glad for at flertallet velger å ikke bifalle dette forslaget, og at norske myndigheter og norsk industri har inntatt en aktiv holdning for å lære av ulykken for ytterligere å forbedre sikkerhetsnivået på norsk sokkel. Jeg slutter meg til saksordførerens redegjørelse og synes også det er

og av hvordan en stor og viktig nærings virksomhet kan kombineres med ivaretakelse av miljøet. Hendelsen i Mexicogolfen 20. april i år og ulykken med boreriggen som brant og senere sank, var en tragisk hendelse, hvor også mange liv gikk tapt, slik saksordføreren beskrev. Også tilgrisingen av miljøet var noe de berørte burde vært spart for. Dette viser med all tydelighet hvor viktig det er med stadig utvikling av teknologien og beredskapen for å forebygge slike ulykker og for å begrense skadene dersom ulykken skulle være ute. Alle er tjent med sterke krav til sikkerhet og beredskap. Samtidig må det heller ikke være slik at viktige næringer skal måtte stoppe stoppe sin virksomhet når uhell og ulykker oppstår, dersom det ikke er helt åpenbare brudd på bestemmelsene. Forskning og utvikling kan best skje sammen med reell drift. Det viser norsk petroleumshistorie med all tydelighet. Dersom Norge ikke hadde kommet i gang med sin petroleumsaktivitet for over 40 år

2011. Jeg vil, i likhet med saksordføreren, også minne om statsrådens påpekning av at det er liten aktivitet på norsk sokkel hva angår boring på så dypt vann som i Mexicogolfen. Samtidig regnes norsk sokkel for å være blant de områdene i verden med de høyeste krav til sikkerhet og beredskap, noe også andre land har merket seg og vil ta lærdom av.

Etter min mening er det nå viktig at næringen får utvikle teknologien videre gjennom kontinuerlig drift, og at sikkerhet og beredskap kontinuerlig bygges ut, slik vi alle er så opptatt av. Vi vet alle hva slags betydning petroleumsnæringen har for sysselsetting og velferd i landet vårt, og vi vet alle hvor viktig miljøet og naturen og på land – er for oss som bor her, og for det øvrige næringsliv. Derfor bør det være i alles interesse at disse interessene også i framtida kan gå hånd i hånd i alle deler av landet vårt. En del av intensjonen med forslaget er

foregående talers innlegg. Helse, miljø og sikkerhet er viktig både for den enkelte person som jobber på sokkelen, og for dem som bor langs kysten, men det er også viktig for å sikre legitimiteten til denne bransjen, både i Norge og globalt. Derfor er det noe vi absolutt skal ha stort fokus på og stille strenge krav rundt. «Deepwater Horizon»-ulykken var alvorlig, og konsekvensene var delvis omfattende, men langt fra så negative som en del i miljøbevegelsen ønsket, eller i alle fall hevdet, mens ulykken varte. Det er blitt brukt ganske kynisk i en del debatter av både røde og grønne regjeringspolitikere. En har svartmalt situasjonen mens ulykken varte i USA – og omfanget den ville få. Når omfanget ikke ble som en

så omfattende som den kunne ha vært. Utsagnet kom i en NTB-melding, men også i svar på et skriftlig spørsmål fra undertegnede, som bekrefter at jo da, det mener han. Da snur han altså trill rundt i argumentasjonen om hva som er risiko, og hva som er en fordel. Sånn skal det ikke være. Det er like relevant som når regjeringen går fra å si at Mongstad-rapporten til Statoil først var en garantist for at en skulle rense Mongstad i 2014, til så å si det var et argument for at en ikke kunne gjøre det i 2014. Sånn skal ikke en regjering håndtere informasjon. Miljøvernminister Solheim har også i en rekke debatter og avisartikler spurt seg om Norge har kapasitet til å gjennomføre en tilsvarende – man kan kalle det – redningsoperasjon, som den som amerikanerne gjorde på «Deepwater Horizon». Han har ikke kommet med noe svar, og det synes jeg er litt oppsiktsvekkende. Når en statsråd stiller seg slike spørsmål, må han åpenbart ha tvilt på om regjeringens politikk gir den kapasiteten når det gjelder oljevernberedskapen som vi mener det er behov for. Derfor utfordrer jeg energiministeren til å svare for statsråd Solheim: en at Norge ville hatt kapasitet til å gjennomføre en tilsvarende redningsoperasjon hvis vi skulle fått det verst tenkelige scenarioet på norsk sokkel? Hvis han svarer nei, vil regjeringen da legge fram en sak for Stortinget der vi styrker oljevernberedskapen og andre nødvendige instanser, slik at vi kan håndtere det på en skikkelig måte? Det ville også være interessant om regjeringen ville, eller våget, legge fram de rapportene man hadde fått etter «Deepwater Horizon»-ulykken og «Full City»-ulykken – i og med at de selv har nedsatt utvalg

Så registrerer jeg at representanten Arnesen sier at dette er en viktig næring. Det er jeg helt enig i. Jeg registrerte også at Arbeiderpartiet i debatten om CO2-rensing vektla at IEA anbefalte betydelig satsing på CO2-rensing. Det betyr jo også at Arbeiderpartiet legger til grunn IEAs prognoser for bruk av gass i verden, som altså skal økes i forhold til dagens nivå. Det gleder meg. Det betyr at regjeringen ikke vil bruke noe CO2-argument mot videreutvikling av Lofoten–Vesterålen-områdene eller Barentshavområdene. Det lover godt i den politiske debatten. Når vi også vet at Senterpartiet prøver å bruke den amerikanske ambassaden i denne debatten for å sikre åpning av Lofoten–Vesterålen, gleder jeg meg litt til fortsettelsen – og hadde representanten Rudihagen vært her, kunne han sikkert ha gledet meg for andre gang i dag.

Jeg synes i den sammenheng at det er ganske usmakelige anklager som representanten Solvik-Olsen framfører, både mot miljøbevegelse og politiske kolleger, når han antyder at miljøbevegelsen håper på et så tragisk utfall som mulig i en katastrofe som kostet elleve menneskeliv. Det tror jeg selv Fremskrittspartiet bør holde seg for gode for. Det er jo også spesielt å høre Fremskrittspartiet partiet som har en partileder som ikke er i stand til å svare enkelt ja eller nei på om hun erkjenner at menneskeskapte klimaendringer er et problem, samtidig som de har en representant i energi- og miljøkomiteen som er opptatt av CO2-rensing – belære andre i motstridende standpunkter i viktige politiske saker. Det er ganske fremmed for Mexicogolfen – og nå håper jeg at jeg slipper unna representanten Solvik-Olsens vrede – var en viktig påminnelse for dem som ønsker å åpne for oljeboring nær kysten også i Norge. Det tror jeg vi alle kan være enige om. Skråsikkerheten blant aktørene i Mexicogolfen var også stor. Man tenkte at det ikke var noen sikkerhetsrisiko av betydning forbundet med oljevirksomheten der. Dessverre viste det seg at det var feil. Derfor har jo myndighetene på flere måter agert helt riktig når man har reagert på ulykken, som andre har vært inne på: Petroleumstilsynet opprettet en arbeidsgruppe kort tid etter at ulykken oppsto, «Deepwater Horizon»-ulykken og erfaringene man har gjort seg etter den ulykken, skal med i Arbeidsdepartementets stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet, energidepartementet la alle tildelinger på dypt vann på vent i siste konsesjonsrunde. Så stemmer det at Norge er blant de beste og sikreste i hele verden når det gjelder oljeindustri. Det kan det være ekstra verdt å minne om i dag når vi leser i avisene om f.eks. land som USA. Vi har ikke mye å lære av USA i oljepolitikken. Når det gjelder måten vi har fordelt velstand fra oljen på, måten vi har forvaltet sikkerheten på norsk sokkel på og på mange andre områder, er vi blant de aller fremste i verden. Men det er ikke grunn til å bli hovmodig. Det viser både hendelsene på Snorre A og Statfjord, og nå sist ikke minst nestenkatastrofen på Gullfaks C. Jeg håper jeg ikke skal bli anklaget av Fremskrittspartiet for også ha gått rundt og i hemmelighet håpet på en katastrofe der, som ville kostet miljøet store ødeleggelser, eller Tvert imot har debatten i høst vært preget av mange arbeidere også på norsk sokkel, som trass i de strenge kravene vi har i Norge, som trass i den høye selvtilliten vi har på HMS-området på norsk sokkel, har vært bekymret for egen og andres helse, og bekymret for tilstanden mange av installasjonene på norsk sokkel er i. Derfor er dette et felt vi må følge tett framover, og det er også viktig at Petroleumstilsynet har gode og forutsigbare rammer i framtiden. I så måte er jeg veldig glad for at det ser ut til – skjønt jeg er i en annen komité – at Fremskrittspartiet har forlatt sin idé om å legge ned Petroleumstilsynet, slå det sammen med Arbeidstilsynet og hente inn effektiviseringspotensial på det. Det var en særdeles dårlig idé fra Fremskrittspartiet, som jeg er glad for at de har

både i arbeidet med tryggleik og beredskap på norsk sokkel, og når ein vurderer nye område for petroleumsverksemd. Ulykka i Mexicogolfen var alvorleg. 11 menneske mista livet, store mengder olje forureina hav og strender. Det er slik at vi har eit stort ansvar for å sikre dei tilsette på sokkelen og våre Omsynet til natur og miljø skal liggje til grunn for aktiviteten på norsk sokkel. Samtidig er det heilt grunnleggjande at kvar og ein som har sitt daglege virke på norsk sokkel, har krav på ein så trygg arbeidsplass som i det heile mogleg. Både i USA, i EU og i Noreg er det sterkt fokus på å finne ut kva som skjedde på Vi må hauste lærdom av den ulykka. Som mange har peika på, er det mange som ser nærare på ulykka no. Vi må bruke den kunnskapen til å førebyggje tilsvarande episodar i våre område. Norsk sokkel blir rekna for å vere blant dei områda som har høgast krav til tryggleik og beredskap i heile verda. Norske bedrifter hjelpte til i oppreinskinga etter ulykka i USA, og USA vil lære av vår forvalting og praksis. Det skal vi ta til oss, men det gir oss ikkje grunn til å tenkje at vi er absolutt gode nok. Vi må heile tida utfordrast til å finne betre løysingar og styrkje beredskapen Vi har frå Senterpartiets side teke ulykka på «Deepwater Horizon» og faren for noko liknande i Noreg på djupaste alvor. Regjeringa, og også vår statsråd, har jo sagt at tildeling av nye

Mi oppfatning er at det blir gjort eit veldig godt arbeid for å betre tryggleiken og beredskapen på norsk sokkel. Statsråden har sagt litt om det i svarbrevet til komiteen, men samtidig er det viktig for Senterpartiet at føre-var-prinsippet ligg til grunn for all aktivitet vi har på

1544 meters dyp. Eksplosjonen på riggen krevde 11 menneskers liv og ble starten på en oljekatastrofe verden ikke har sett maken til. Etter en møysommelig og svært kostbar oppryddingsaksjon anslår nå amerikanske miljømyndigheter at 74 pst. av oljen enten er samlet opp, brent, naturlig oppløst i vannet eller fordampet. BP har i ettertid erkjent at selskapet ikke hadde beredskap for oljelekkasjer på dypt vann. BPs sjef sier følgende: Det er ingen tvil om at vi ikke hadde det verktøyet man trengte til en sånn aksjon. Siste nytt i saken er at Obama-administrasjonen i går kveld offentliggjorde at de nå går til søksmål mot BP samt flere av selskapets underleverandører. Administrasjonen anklager selskapene for å ha brutt USAs miljøvernlover i det som trolig kommer til å bli et langvarig rettsoppgjør. Oljekatastrofen i Mexico er et kraftig varsku om hvilken risiko som knytter seg til det å drive oljeutvinning under av jordens overflate er dekket av hav og sjø, og utslipp sprer seg raskt med havstrømmene over store områder. Selv de største teknologioptimistene har fått noe å tenke på etter ulykken i Mexicogolfen. Katastrofen er også en kraftig vekker for oljenasjonen Norge, som har drevet oljeutvinning på kontinentalsokkelen i over 30 år. Jeg er glad for at statsråden i sitt brev til komiteen varsler at erfaringer fra denne ulykken bl.a. vil tas med i Arbeidsdepartementets stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet, som planlegges fremmet i løpet av vårsesjonen 2011. Parallelt med ulykken i Mexicogolfen og i skyggen av oppmerksomheten ble Gullfaks C-plattformen evakuert 19. mai i år, etter fare for gassutblåsing som følge av trykkforandring i en brønn. Det tok Statoil en uke å få kontroll over trykksituasjonen i brønnen. I Petroleumstilsynets granskningsrapport, som ble lagt fram 19. november, ble det konkludert med at det var en reell fare for gassutblåsing og eksplosjon på Gullfaks C i mai. Tilsynet påpekte rundt 40 avvik fra regelverket i sin rapport og kom med varsel om fire pålegg med relativt korte tidsfrister. Dette viser at ulykker også kan skje på norsk sokkel, og at vi var svært nær en tidsfrister. Dette viser at ulykker også kan skje på norsk sokkel, og at vi var svært nær en storulykke på det tidspunktet. Petroleumsaktivitet på norsk sokkel er i endring. De enkle brønnene er allerede blitt boret. Det som gjenstår, Med unntak av Ormen Lange er de dypeste feltene på norsk sokkel på under 400 meter. I årene framover går oljeselskapene mye dypere i norske farvann. Shell har nylig boret på 1 300 meters dyp på Gro-feltet utenfor Helgelandskysten. Statoil har gjort funn på Luva-feltet vest for Sandnessjøen, som ligger om lag like dypt. Boring på dypt vann stiller større krav til både boreteknologi og til beredskap i tilfelle noe skulle gå galt. Utvikling av ny teknologi er viktigere enn noen gang. Katastrofen i Mexico har vist at oljevernberedskap til havs aldri kan bli noe annet enn et verktøy for skadereduksjon. Det finnes i dag ikke noe oljevernberedskap som gir sikkerhet for vern av sårbare naturområder i havet eller langs kysten. Det finnes heller ikke noe utstyr som er dimensjonert for å ta unna slike store mengder som det vi så ved denne oljekatastrofen. «Full City»-forliset utenfor Langesund i fjor sommer var en skikkelig vekker i så måte. Bunkersoljen som lekket ut av «Full City», griset til kyststripen langs Agder-fylkene og Telemark, og en del av griseriet ligger der fortsatt. Dette var et minimalt utslipp sammenliknet med hva en utblåsing på et oljefelt eller et forlis av en oljetanker kunne medføre, men det lot seg altså ikke stoppe av moderne oljevernberedskap. Slik sett vil oljevernberedskapen aldri kunne bli god nok til å veie opp for den risikoen oljevirksomhet til havs medfører. Det må vi som politikere være oss bevisst, også når vi skal ta stilling til eventuell åpning av nye områder for oljevirksomhet i sårbare havområder. Jeg tar med dette opp de forslag som vi har lagt fram i innstillingen. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp de forslag hun refererte til. Først vil jeg takke for debatten og alle som har deltatt, og

overhodet aldri streifet meg – bare så det er sagt. Dessverre er det et flertall av partiene som ikke har tatt inn over seg at det har vært flere alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste årene. Etter ulykkene og nestenulykken på Gullfaks C – som også forrige representant var inne på – Statfjord A, Snorre A og Mongstad pekte Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet på manglende eller mangelfull risikoforståelse og robusthet. Også mangelfull læring og oppfølging av kontrollrutiner trekkes fram. Midt under dramaet i Mexicogolfen i vår var det i Norge en nestenulykke på Gullfaks C. Petroleumstilsynet karakteriserte hendelsen som en alvorlig situasjon med et stort ulykkespotensial. Lørdag 4. desember gikk alarmen på Gullfaks B en rutinemessig vedlikeholdsoperasjon. En strupeventil skulle skiftes ut, og det viste seg at to ventiler som skulle fungere som sikkerhetsventiler, var deaktivert. Dermed lekket det gass fra brønnen i en høy rate, og lekkasjen varte i en time. Dette medførte en situasjon på innretningen som, etter Petroleumstilsynets egen definisjon, karakteriseres som

Petroleumstilsynet kom med resultatene fra sin gransking av samme hendelse 19. november, og den inneholdt sterk kritikk av Statoils håndtering. Petroleumstilsynet uttrykte bekymring for sikkerhetsfokuset til Statoil og påpekte flere regelbrudd. Gullfaks er et felt man bør ha god kunnskap om, med tanke på at det er boret i overkant av 160 brønner og godt over 50 sidesteg til eksisterende brønnbaner. Statoil viste i sin etter brønnkontrollhendelsen 19. mai 2010 i brønn C-06 til at risikoen for en havbunnsutblåsning var lav. Rapporten begrunner dette med at Hordaland-sand i undergrunnen kan ta opp i seg store mengder gass, olje og Men lekkasjepunktet i brønn C-06 lå over disse sandlagene, og bergartene som det lekket til, har mye lettere for å sprekke helt opp til havbunnen. Venstre er ikke beroliget av Olje- og energidepartementets svar i denne saken eller av flertallets innstilling. Det er ikke innført en midlertidig stans i tildeling av nye bore- og letetillatelser, og norsk oljevernberedskap har vist at den ikke vil være i stand til å håndtere et stort oljeutslipp, om det er fra en brønnlekkasje, eller om det er fra et grunnstøtt skip. Å henvise til at det skal komme utredninger til våren uten å gjøre noe i dag, er ikke godt nok. Det er

Europakommisjonen fram meddelelsen «Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities». I meddelelsen varsler kommisjonen at den innen sommeren 2011 vil fremme forslag om nye regler på EU-nivå om bl.a. HMS i petroleumsvirksomheten til havs, risikohåndtering og uavhengige verifikasjoner. I min dialog med EU har jeg gjort det klart at regelverket for petroleumsvirksomheten på norsk

vil også trekke fram det såkalte trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten, der myndigheter, rettighetshavere og arbeidstakerorganisasjonene gjennom mange år har arbeidet sammen for hele tida å forbedre sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten. Arbeidet i NSOAF og IRF blir svært viktig framover. Det er verdt å legge merke til at EU-kommisjonen trekker fram Nordsjøen

jeg har uttalt at 21. konsesjonsrunde vil bli gjennomført nettopp i lys av det vi opplever i Mexicogolfen. Jeg har også tidligere uttalt at før tildeling av nye utvinningstillatelser i 21. runde vil jeg forsikre meg om at jeg har god og tilstrekkelig kunnskap om det som har skjedd i Mexicogolfen, og videre at god kjennskap er noe en må ha før jeg vurderer boring på i 21. runde. Det er viktig at vi nå, bl.a. gjennom kvalitetssikring, følger opp det arbeidet som allerede er igangsatt internasjonalt. Men det er også viktig at vi avventer de endelige rapportene som fastslår årsakene til ulykken. Først da vil vi ha grunnlag for å kunne vurdere relevansen og behovet for tiltak i Norge, eksempelvis i sikkerhetsregelverket. Jeg vil også vise til mitt brev av 15. november til energi- og miljøkomiteen.

USA. Mitt spørsmål til statsråden er om han ser at det er noen tiltak som kan iverksettes på norsk sokkel allerede nå. Alternativt: Når kan vi forvente at disse tiltakene kan fremmes?
Ja, jeg har fulgt dette arbeidet tett. Jeg var bl.a. i deler av juli i Mexicogolfen. Jeg har besøkt amerikanske myndigheter for å sette meg inn i dette, og jeg må bare si at det var en sterk opplevelse å fly med det området der ulykken hadde skjedd. Det var akkurat i de dagene da man begynte å få kontroll på utblåsningen. Jeg var også med på en norskeid båt som var i arbeid der. Når det gjelder konkrete tiltak videre, mener jeg at det vi så på Macondo-bredden, viste at de tekniske rutinene rundt disse BOP-ene ikke er gode nok. Det burde vært en standard teknologi tilgjengelig som kunne kobles på BOP-en nede på havbunnen, slik at man kunne gjøre dette raskt og ikke måtte vente så mange uker for å konstruere denne tekniske løsningen.
Det har blitt tydelig gjennom uttalelser fra Petroleumstilsynet, fagorganisasjonene og miljøvernorganisasjonene at vi fortsatt ikke er like gode på helse, miljø og sikkerhet som vi liker å tro. Er statsråden enig i dette?
Jeg mener vi er gode på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i Norge, men vi skal bli bedre. Dette er ikke en statisk tilstand – det er ikke noe vi kan slå oss til ro med, eller mene at det vi gjorde i går, er bra nok i morgen. Jeg har ambisjoner om at vi skal forbedre oss ytterligere, men at virksomheten i Norge er i verdenstoppen på dette området, tror jeg ikke det er noen tvil om.
Norske aktører var viktige deltakere både i operasjonen rundt å stanse utblåsningen og i å rydde opp etterpå. Miljøvernministeren har i media uttrykt tvil om Norge ville klart å mobilisere et like stort hjelpeapparat ved en norsk ulykke. Hva tror olje- og energiministeren?
Jeg tror at et norsk apparat, en norsk håndtering av en sånn ulykke ville ha gjort det på en noe annen måte enn det som ble gjort i USA. I de møtene jeg hadde da jeg var der borte, fikk jeg nok et inntrykk av at det var tatt godt i når det gjaldt mannskaper som var satt inn, oppimot hva den enkelte konkret hadde mulighet til å bidra med. Men dette skal vi få mer informasjon om etter hvert som vurderingene av ulykken blir gjort. Jeg har ikke noe grunnlag for å nivået og omfanget på beredskapen i Norge ikke er tilpasset den aktiviteten vi har på norsk sokkel i dag. Men samtidig er dette ansvarsområder som ligger utenfor mitt departement, så jeg skal ikke gå lenger inn på de vurderingene. Det får de ansvarlige statsrådene ta. Flere har ikke bedt om ordet til replikk – representanten Astrup rekker opp en hånd og minner om at man også kan benytte det elektroniske anlegget, som på dette punkt fungerer utmerket. Representanten Astrup får ordet til replikk. Jeg er konservativ – derfor benytter jeg det gamle systemet. Det får være grenser for alt. I dagens utgave av VG kan vi lese at tidligere statssekretær i OED, Liv Monica Stubholt, ba amerikanske oljeselskap engasjere seg i den norske Lofoten-debatten for å kvele miljøargumentet I den forbindelse kunne jeg tenke meg å spørre statsråden om det er slik at Senterpartiet egentlig er for å åpne utenfor Lofoten. Det oppslaget som jeg også så i VG i dag, var nok ikke noe mer kjent for meg enn det var for representanten Astrup. Så jeg har ikke noe mer å bidra med rundt det. Når det gjelder Senterpartiets syn på eventuell oljeboring og aktivitet i Lofoten og Vesterålen, er det heller ikke noe nytt om det, basert på den artikkelen som det her vises til. Da har ikke presidenten registrert flere replikanter.

Komiteen er enig om at det er viktig å forsøke å begrense de negative miljøkonsekvensene ved bygging av kraftlinjer. Vi foreslår at forslaget vedlegges protokollen. Når en ikke velger å ville vedta selve representantforslaget, er det delvis fordi Venstre allerede har fått gjennomslag for det, og det å vedta det blir å slå inn åpne dører, og litt fordi en her ber om å enn det komiteen ønsker. Men Venstre har fått gjennomslag for det jeg tror er det viktige, nemlig at det mest kontroversielle strekket har blitt utsatt. Så Venstre kan egentlig her innkassere en seier. Det en samlet opposisjon har fremmet forslag om mange ganger, nemlig at en skal ha en overordnet nettdebatt om hovedveiene, har Venstre fått gjennomslag for nesten på egen hånd, kan man si, med litt hjelp av en Hardanger-aksjon i tillegg. Det får Venstre ta Derfor er det også viktig å understreke – selv om representanten Rudihagen ikke er i salen i denne saken – at jeg ble veldig glad da jeg så brevet fra olje- og energiministeren datert 5. november, der han åpnet med å si: «Jeg tar sikte på å framlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av landets overføringsnett for kraft senere i denne stortingsperioden.» Det er jo det vi i opposisjonen har bedt om flere ganger, og fått avslag på, men nå kan alle glede seg, med tre ganger tre hurra, for at dette likevel kommer. Jeg synes likevel det er litt trist at vi måtte ha en runde i Hardanger før vi fikk dette fra regjeringen. Det er en påminnelse om at av og til er det faktisk bedre å legge strategien først og så komme med virkemidlene, enn å begynne på virkemidlene og så komme med strategien etterpå. En har altså i stor grad fått gjennomslag for punkt én. En har blitt imøtekommet på punkt to, på det mest kontroversielle, og på punkt tre får en opposisjonens støtte når det gjelder å styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bruk av jord- og sjøkabel. Jeg skulle ønske at regjeringen også der kom oss i møte, men kanskje kan energiministeren glede oss på det punktet også når han får ordet.

I tillegg kommer investeringer i regionalnett og i distribusjonsnettet, hvor behovet for opprustning også er stort. Så er vi selvfølgelig alle enige om at dette er en utbygging som må skje så skånsomt som mulig. Vi skal unngå unødvendige belastninger, og vi skal unngå unødvendige inngrep i natur. Det er jo helt forståelig at store kraftledninger gjennom flotte naturområder skaper sterke reaksjoner. Det er veldig få som vil ha en trafostasjon i hagen sin, og det er få som mener at fjellheimen blir vakrere av høyspentmaster, selv om jeg kjenner til noen som også synes det. Jeg er også opptatt av at det skjer mye teknologiutvikling på kabelfronten. Statnett er bl.a. tungt involvert i forskning og utvikling på dette området. Min påstand er at fokus på og kunnskapen om dette området er en helt annen enn for få år tilbake. Det er utrolig viktig at Statnett har et bevisst forhold til å teste ut ny kabelteknologi og bidra til at den kan tas i bruk i større skala. Gjennom at teknologien tas i bruk, vil den også bli bedre. Vi må for all del unngå å havne der at vi ikke tar teknologien i bruk fordi den er for dårlig og for dyr, og at den ikke blir billigere og bedre fordi vi ikke tar den i bruk. Samtidig mener jeg det er riktig å si noe om at kabel ikke alltid er en enkel løsning det heller, til tross for at teknologien stadig utvikles. Kabel, og særlig kabel på land, når man graver den ned i jorda, innebærer store naturinngrep. Det krever brede traseer, og det krever mulighet for kjøretøyer til å komme inn. Ved feil må det graves, og nedetiden kan bli veldig lang. Et annet veldig vesentlig aspekt, som i hvert fall er viktig for Arbeiderpartiet, handler om ambisjonene våre når det gjelder utbygging av fornybar kraft. Det er småskalaproduksjon og produksjon som i veldig stor grad skjer spredt. Det er klart at det krever nett som ikke bare frakter store kraftmengder fra a til b, men som også gjør at det er mulig å koble seg til langs mange punkter underveis. Det er en mulighet som i stor grad forsvinner med kabel. Så er det mye som kan gjøres gjennom skånsomt valg av trasé og diverse kamuflerende tiltak. Men vi møter jo dilemmaer her også. Saksbehandlingstiden i NVE har vært en gjenganger i denne salen. Opposisjon og posisjon har delt bekymringen for at konsesjonene vil bli liggende til behandling i så mange år at vi ikke får bygd ut nettet i den takten som vi trenger. Det er bakgrunnen for at komiteen valgte å presisere, den gangen man fikk retningslinjer i slutten av forrige periode, at de ikke skal føre til økt saksbehandlingstid i NVE. Jeg er glad for at en samlet komité er opptatt av at allerede gitte konsesjoner og igangsatte utbyggingsprosesser ikke blir forsinket av ytterligere krav om utredninger og nye krav til gjennomføring. Nett er samfunnskritisk infrastruktur. Det skal gjøres så skånsomt som vi klarer, og her er vi på hugget med en sentralnettoperatør som har stor bevissthet, og som bruker store ressurser på dette. Fra flertallets og fra Arbeiderpartiets side er vi for at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en sak om overordnede føringer for framtidig utbygging og oppgradering av overføringsnettet i løpet av perioden. Det er bra at Stortinget fortsetter å fokusere på nett, og helt nødvendig at det går signaler både til Statnett og NVE om at trykket på teknologiutvikling av kabel må holdes

ein sterk og intens debatt om kraftlinjer. I Hardanger har folk lenge vore i harnisk over planane om å byggje ny 420 kV kraftlinje mellom Sima og Samnanger, og det toppa seg då klaga på konsesjon vart avvist i juli. Sommarens drama i Hardanger førte til ein av tidenes største retrettar i norsk politikk. Klaga på konsesjonen for Sima–Samnanger vart sett på vent til ein hadde fått ein fullverdig gjennomgang av heile saka. er unik på mange måtar. Hovudgrunnen til at regjeringa måtte snu i denne saka, var at det var stor lokal motstand mot denne linja. Alle kommunane i regionen var mot luftspenn. Det same var fylkestinget i Hordaland og dei politiske partia i fylket. I tillegg var det interessant å sjå korleis bergensarane støtta motstanden mot luftspenn i Hardanger. Det er positivt at olje- og energiministeren ønskjer full gjennomgang av saka om Sima–Samnanger, og at regjeringa har oppretta fire ein fullstendig og uavhengig gjennomgang av saka før det endelege vedtaket blir fatta. Høgre har kravd fullverdige utgreiingar lenge, så dette var i tråd med Høgre sine ønske. Høgre har ikkje teke stilling til val av løysing, men er svært kritisk til den prosessen som har vore. Vi ser også at Statnett har teke sjølvkritikk på prosessen, og det er bra. Mange innbyggjarar reagerer også på at det er stor forskjell på korleis staten handsamar store utbyggingar av linjenettet med store naturinngrep, og korleis grunneigarar og andre blir behandla dei skal gjere større eller mindre utbyggingar på sine område. Kraftnettet er svært viktig infrastruktur, og det må takast særleg omsyn til dette ved utbygging av linjenettet. Likevel kan ein setje spørsmålsteikn ved korleis ein samanliknar denne utbygginga med anna utbygging i verneverdige område. I Ålfoten i Sogn og Fjordane fekk grunneigarane eit godt døme på det. I 2004 søkte dei om å få byggje ein 650 meter lang og 4 meter brei veg i Førsdalen. Dei fekk avslag på søknaden, bl.a. med grunngjeving av urørd natur og biologisk mangfald i området. Seks år seinare har Statnett fått grønt lys til å byggje ein 11 km lang og 40 meter brei trasé for den nye 420 kV-linja mellom Ørskog og Fardal gjennom same område – utan at grunneigarane kan sjå at naturverdiane i området har endra seg. Dette er eit stort paradoks også mange andre Høgre har tidlegare kome med framlegg om å setje ned eit ekspertutval som skal leggje til rette for styrkt satsing på utvikling av ny kabelteknologi. Høgre hadde også ei høyring i Stortinget om dette i september. I sakspapira har Kristeleg Folkeparti fleire merknader om behovet for ny kabelteknologi som Høgre er samd i. Derfor støttar vi også dette punktet i saka. Det har vore stilt spørsmål om tilliten til Statnett, NVE og OED og ikkje minst om dei tette banda som ofte er mellom desse etatane i fleire saker om kraftutbygging. har handsama saka om Sima–Samnanger, og i brev til OED viser han til at ordlyden i delegasjonsreglementet ikkje er oppdatert og endra i tråd med den praksis som forskrifts- og delegasjonsmyndigheitene nyttar, og som skal vere gjeldande framover. I brevet frå sivilombodsmannen står det: «En slik langvarig uoverenstemmelse mellom ordlyden i de aktuelle delegeringsvedtakene og den kompetanse som faktisk synes å være delegert fra Olje- og energidepartementet til NVE, kan bidra til å undergrave tilliten til forvaltningen generelt og til NVE og Olje- og energidepartementet spesielt.» Det er svært viktig å ta tak i desse utfordringane, og at det blir klare ansvarslinjer mellom etatane. Ei anna utfordring som også har blitt aktualisert i det siste, er at det blir lagt fram berre eitt alternativ til linjetrasé når det blir søkt om konsesjon. Det må vurderast om det ikkje hadde vore hensiktsmessig å ha fleire alternativ å velje mellom, slik at ein kan vege for og mot viktige saker skal handsamast. Høgre er også glad for at ministeren i svarbrev til komiteen seier: «Jeg tar sikte på å framlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av landets overføringsnett for kraft senere i denne stortingsperioden.» Høgre har i fleire år ønskt ein fullstendig gjennomgang av nettpolitikken. No får vi ei god anledning til å diskutere framtidas nettpolitikk og framtidas løysingar. Høgre ser fram til å delta aktivt i denne debatten. I stor grad har jo denne saken fått et utfall i retning av det Venstre ønsket da de fremmet forslaget, og derfor har jeg ikke tenkt å holde et veldig langt innlegg. Bare noen få ord: Det er jo ingen tvil om at reaksjonene i Sima–Samnanger-saken var enorme, og bidro til å forandre norsk politikk. Som en venstreorientert, tidligere aksjonist med tro på demokrati nedenfra, mener jeg det er positivt at et sterkt folkelig engasjement i et fylke og en region gir uttelling i politiske endringer. Det er veldig bra. SVs holdning i om Sima–Samnanger har ikke vært noen hemmelighet noen gang, og da er det heller ikke vanskelig å skjønne at vi er fornøyd med de utvalgene som er oppnevnt, og som skal jobbe fram til februar. Så har jeg lyst til å slutte meg til de vurderingene som representanten Marthinsen fra Arbeiderpartiet gjør rundt hva som er naturinngrep og ikke. For jeg vil også advare mot en debatt der luftspenn framstilles som et ensidig negativt naturinngrep, mens kabling er uproblematisk. Dette er jo nettopp en av grunnene til at vi trenger disse debattene, og trenger de vurderingene som utvalgene som er oppnevnt i forbindelse med Ørskog–Fardal og Sima–Samnanger, for kabling har også store miljøkonsekvenser. Sjøkabling trenger store trafostasjoner, man gjør store inngrep også på havbunnen. Det samme gjelder jordkabling, som jo i praksis er å grave en vei. Det er heller ikke uproblematisk. Det jeg kanskje kunne ønske meg i debatten som kommer, og som jeg også kunne ønske meg i arbeidet som statsråden har varslet – en sak for Stortinget om framtidens nettpolitikk – er at vi i større grad enn det vi klarte i debatten om Sima–Samnanger og Ørskog–Fardal, har en helhetlig tilnærming. Det har vært mange snarveier i debatten til nå, synes jeg. Jeg synes det er litt spesielt f.eks. å høre Høyres leder, Erna Solberg, si: La oss kable i Hardanger, det har vi råd til – et parti som vanligvis er veldig varsomme med å bruke skattebetalernes penger. Jeg synes også det er spesielt å se opposisjonspartier i sitt syn på kabling i Ørskog–Fardal. Det er noe vi kommer tilbake til i neste sak. Slik blir det forhåpentlig ikke når vi tar den bredere debatten som statsråden har varslet. Mange av problemstillingene Venstre løfter i saken de har fremmet nå, vil det være helt naturlig å ta for seg i den saken, og der tror jeg også SV og Venstre har mye til

var inne på når det gjeld avveginga mellom ulike omsyn. Andre omgrep som blir brukte om einannan, er jo argumentasjon knytt til estetikk og argumentasjon knytt til miljø, som om det skulle vere det same. Det er eg ueinig i. Eg meiner at ein stor del av desse debattane ikkje i hovudsak handlar om miljøspørsmål, men om estetikk. Vi har brukt mykje tid på å drøfte fornybar energi i denne salen. Det meste av tida har vi hatt positivt forteikn på det – alle får meir fornybar energi. Anten vi snakkar om klimautfordringa, forsyningssikkerheit, energibehov eller grøne arbeidsplassar, er den fornybare energien viktig. Skal denne energien ha ein positiv klimaeffekt, brukast i hushaldningar eller er den fornybare energien viktig. Skal denne energien ha ein positiv klimaeffekt, brukast i hushaldningar eller industri – skape grøne arbeidsplassar – må han kome fram til produksjonsstaden og fram til bruksstaden. Dette skjer via kraftlinjer. Lat meg vere heilt tydeleg. Senterpartiet er jo ikkje for i luftspenn av prinsipp. Tvert om meiner vi at det er viktig å drøfte trasear til kraftlinjene som tek omsyn til folk og natur. Nokre stader, og særleg på lågare spenningsnivå, kan dette bety bruk av kabel. Det er også dei retningslinjene som nettpolitikken blir styrt etter i dag. Resultatet av den politikken som regjeringa fører på nett, er jo at vi får stadig færre vesentleg færre på lågare spenningsnivå, vesentleg færre i framtida enn det vi har i dag. Lat meg òg leggje til at kortreist kraft er ein god ting. Det må framleis vere eit mål om å utnytte krafta nær produksjonsstaden for nettopp å unngå unødvendig linjebygging og tap av straum under transport gjennom linjene. Samtidig treng vi linjene. Vi treng dei fordi utan ein kjøpar av kraft får vi heller ingen ny energi og ingen tør å investere dersom ein ikkje har avsetning på vara. Vi treng dei fordi delar av landet vårt ikkje har den tilstrekkelege straumforsyninga eller forsyningstryggleiken. Vår historie som vasskraftnasjon har gjort at vi har solid ekspertise på straumframføring. Det er ikkje noko vi i denne salen kan vedta. Det er noko som nettaktørane og andre selskap har bidrege til i lag med forskings- og utviklingsmiljø. Det er ikkje sånn at vi står langt tilbake for andre delar av verda på dette området – tvert om. Det skjer mykje spennande i alle parti, i alle fall i mitt eige, for at det arbeidet skal halde fram. Det er inga stor utfordring å peike på at det finst konfliktar ved kraftlinjebygging. Det har vi jo erfart den seinare tida, og det har vi erfart tidlegare. Vi må ta det på alvor. Det er mogleg å lage gode prosessar der lokalbefolkning, grunneigarar og kommunar blir tekne med for å finne gode trasear som tek omsyn til folk og natur. Men så har sakene i dag òg lært oss at når det kjem til stykket, er det faktisk rørande semje òg i denne salen om at overføringsleidningane er viktige, og at målet om mest mogleg like prisar og lik forsyningssikkerheit i heile landet er avhengig av at vi har gode overføringslinjer. Så er vi også einige om at natur og busetjing skal vere viktige omsyn ein tek ved framføringa, sånn det òg er i dag. Når det gjeld den overordna nettpolitikken, viser eg til det som statsråden og regjeringa har signalisert om ei eiga komande sak på dette
tilfreds med at regjeringen tar sikte på å komme tilbake med en sak om overordnede føringer for framtidig utbygging og oppgradering av overføringsnettet, og at man tar sikte på å komme tilbake med en slik sak i løpet av de neste tre årene. Slik Kristelig Folkeparti ser det, er det helt nødvendig i forhold til de utfordringene vi står overfor. Vi kan bare se på sommerens debatt med hensyn til Hardanger. Men når regjeringen har varslet at Stortinget vil få seg forelagt en sak om grønne sertifikater våren 2011, og også den dagen vi får oss forelagt fornybardirektivet, vil det også innebære at mer energi skal inn på nettet. Vi må ha flere overføringslinjer. Da er det avgjørende viktig at vi har hatt en slik overordnet diskusjon. Så min utfordring til regjeringen er at denne overordnede meldingen kommer på et så tidlig tidspunkt som mulig slik at vi kan dra opp prinsippene før vi går ned i de enkelte sakene. Men med mer energi på nettet i forhold til det grønne sertifikater, og fornybardirektivet vil gi oss, ser vi også at det er en flytting av fokus i kravene fra befolkningen. Man vet at det finnes teknologi til å legge mer i kabel, om det er i sjø eller i jord. Så er jeg helt enig utfordringene som er når det gjelder jordkabling og sjøkabling. Dette er ikke noe «fix it» – ikke noe lett «fix it» heller – dette er krevende. Men det er jo nettopp på den bakgrunn at Kristelig Folkeparti, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, ber regjeringen satse på forsknings- og utviklingsarbeid på dette området for å komme lenger nettopp på dette. Jeg og Kristelig Folkeparti er også enig i at kabling skal vi ikke ha overalt. Det er ikke kabel som er svaret hvis man har småkraft som skal inn på nettet. Da er det en helt annen diskusjon. Så det finnes noen avgrensninger her. Jeg kan ikke med min beste vilje skjønne at noen kan være motstandere av at vi får mer utviklingsarbeid og mer forskning på et viktig område med hensyn til nettpolitikken vår. Men det får jo regjeringspartiene svare på. Med dette tar jeg opp forslaget fra Kristelig Folkeparti, Høyre og

Forslagsstillerne ønsker en endring av regelverket, slik at miljøhensyn tillegges større vekt enn tidligere. Vakre og urørte naturlandskap har stor betydning for friluftslivet, det biologiske mangfoldet og for reiselivet. I en del tilfeller må hensynet til bevaring av disse naturlandskapene tillegges avgjørende vekt, slik at jord- og sjøkabel velges fremfor luftlinjer hvis det kan redusere belastningen på miljøet. Den forrige olje- og energiministeren varslet at det skulle komme nye retningslinjer som i større grad åpner for fremføring av kabler i sjø og jord i viktige naturområder der luftspenn vil være ødeleggende. Slike retningslinjer ble imidlertid ikke lagt fram. I stedet har departementet i lagt fram en strategi med strengere krav til avbøtende tiltak. Slike tiltak vil ofte kunne redusere belastningen på miljøet, men i en del tilfeller er ulempene ved bruk av luftlinje så store at man ikke kan kompensere seg bort fra dem. I klagebehandlingen av linjen strekningen Sima–Samnanger viste departementet til at det ikke var grunnlag for å nytte en sjøkabel på denne strekningen, da det ville være en mindre god løsning av hensyn til forsyningssikkerheten i forhold til en luftledning. Departementet viste også til at strekningen mellom Sima og Samnanger er lang, og at den derfor vanskelig kan sies å falle inn under strategiens omtale av kan være aktuelt på begrensede strekninger. Når selv ikke hardangernaturen er viktig nok til at miljøhensyn vektlegges foran andre hensyn, viser dette at det gjeldende regelverket er for svakt. Regelverket åpner ikke i stor nok grad for bruk av jord- og sjøkabel i stedet for luftspenn i områder med viktige naturverdier. Regelverket bør derfor endres, slik at utbyggerne av kraftlinjer i regional- og sentralnett i større grad må ta miljøhensyn enn de gjør i dag. Avslutningsvis vil jeg si at vi støtter forslaget i innstillingen, og så tar jeg opp forslaget fra Venstre, som er omdelt i salen. Representanten Borghild Tenden har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det er ikke riktig, som representanten Tenden nettopp refererte til, at det ikke er lagt fram sak fra regjeringa knyttet til kabling. Det ble gjort i nevnte odelstingsproposisjon, der sto det nettopp at kabling skal benyttes. Det skal benyttes i større grad på lavere spenningsnivåer, og det blir også gjort. Så har jeg i tillegg sagt at jeg tar sikte på å framlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for framtidig utbygging og oppgradering av overføringsnettet for kraft her til sikte på å framlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for framtidig utbygging og oppgradering av overføringsnettet for kraft her til lands senere i stortingsperioden. Det blir å bygge videre på det som Stortinget hadde til debatt i fjor, var vel det, og baserer seg bl.a. på de erfaringene man har gjort gjennom sommeren. Det blir en debatt som baserer seg på relativt ulike hva som skal til for å forene behovet for å få fram fornybar energi og sikre beredskapen og det å få de konkrete prosjektene gjennomført. Jeg skal ikke foregripe innholdet i dette nå, men jeg skal allikevel kommentere forslagene til representantene ut fra hvordan jeg vurderer dem per i dag. Forslagsstillerne ønsker endringer i lovens forskrifter som åpner for økt bruk av jord- og sjøkabel ved bygging av kraftlinjer. Hva som er den beste løsningen for miljø og samfunn i den enkelte sak, avhenger av mange forhold. Hvis føringer for bruk av kabel skulle nedfelles i et regelverk, måtte svært mange andre hensyn blitt omtalt. Regjeringa har derfor tidligere, med tilslutning fra Stortinget, kommet til at det Det er bakgrunnen for at vekting av ulike hensyn og føringer for bruk av avbøtende tiltak i stedet er lagt fram for Stortinget i andre dokumenter, og sist gjennom nevnte odelstingsproposisjon, nr. 62 for 2008–2009. Kraftledningsstrategien bygger på en grundig gjennomgang av hvordan kraftledninger planlegges og konsesjonsbehandles. I strategien ble det konkludert med at kabling oftere er et samfunnsmessig rasjonelt tiltak på lavere enn på høyere spenningsnivå. Av den grunn slås det fast at kabel skal være hovedregel i distribusjonsnettet mens bruken gradvis skal være mer restriktiv ved økende spenningsnivå. Like fullt slår denne strategien fast at bruk av kabel alltid skal vurderes på alle spenningsnivå. Litt senere i dag, ved behandlingen av representantforslag 8:4 S, vil jeg komme tilbake til hvordan dette gjøres i klagebehandlingen av kraftledningen mellom Ørskog og Fardal. Representantene ønsker at regjeringa som eier av Statnett SF sørge for at selskapet utsetter oppstart av anleggsarbeidet i allerede vedtatte utbygginger. Sjøl om Statnett eier det meste av sentralnettet i Norge, er foretaket bare ett av flere nettselskaper som bygger og driver store kraftledninger. Premissene og forutsigbarheten knyttet til konsesjonsbehandlingen bør ikke påvirkes av eierskapet. Konsesjonsvilkår for bygging av kraftledninger bør derfor gis gjennom konsesjonsbehandlingen. Et unntak fra denne tilnærmingen har jeg imidlertid gjort når det gjelder anleggsstart for sentralnettsforsterkingen fra Sima til Samnanger i lys av arbeidet til de eksterne utvalgene som er nedsatt. Representantene etterspør også en styrking av satsingen på FoU knyttet til bruk av jord- og sjøkabel. Både gjennom saksbehandling av enkeltsaker og gjennom FoU-prosjekter bidrar aktivt til å fremme løsninger for framtidig kraftoverføring basert på framtidens løsninger. Norges forskningsråd gir støtte til FoU på jord- og sjøkabelteknologier, hovedsakelig gjennom programmet RENERGI. Programmet har tildelt støtte til prosjekter relevante for bruk av kabel på til sammen 110 mill. kr i perioden 2004–2013. Videre deltar Statnett i kabelutviklingsprosjekter i samarbeid med både FoU-miljøer og kabelleverandører og er aktive i internasjonale fora. Jeg har merket meg at Statnett i konkurranse med andre har blitt valgt ut som leverandør av konsulenttjenester til eksterne kabelprosjekter i utlandet. Ormen Lange er også et eksempel på at Statnett og norske miljøer hevder seg innen kabelteknologi. Her ble verdens første 420 kV plastisolerte såkalte PEX-kabel lagt, og Statnett har også søkt om å benytte PEX-kabel for tre av seks kabler mellom Evje og Teigen i Oslofjorden, for å bidra nettopp til utvikling og erfaringer med denne teknologien. Det skjer altså allerede mye innenfor forskning og utvikling på kabelteknologi. Regjeringa har økt bevilgningene til FoU innen fornybar energi og miljøteknologi kraftig de seneste årene. Utviklingen i teknologi for kraftoverføring kan gi nye muligheter innen mer skånsom framføring av kraftledninger. Samtidig må viktige sentralnettsforsterkninger baseres på teknologi som er tilstrekkelig kvalifisert, og hvor risikoen for feil er akseptabel. Utviklingen på dette området må gjøres trinnvis og med et langsiktig perspektiv. Det blir replikkordskifte.
Regjeringens sjef har tidligere invitert alle borgere til å delta i rådslagning om viktige samfunnsmessige saker, men det var i nyttårstale. I saken om mastene i Hardanger har det vært lite rådslagning. Likevel har regjeringen stanset litt opp. Er det slik at det må høye brøl, kraftige brøl, mye brøling til for at denne regjeringen lytter til dem som har meninger i viktige samfunnsspørsmål? Er det brøling som må til, eller er det slik at det er plutselig nyervervet kunnskap om at man faktisk manglet kunnskap, nyervervet erkjennelse av at man faktisk manglet så mye kunnskap som man gjennom lang tid ga uttrykk for overfor dem som hadde innsigelser, motforestillinger og innspill til det trasévalget og den prosessen og den løsningen som regjeringen hadde valgt? Når det gjelder rådslag, innspill og vurderinger knyttet til traseen Sima–Samnanger, er det verdt å merke seg at det ikke kom høringsuttalelser fra de berørte kommunene høringsprosessen. Det var lagt opp til en helt ordinær prosess, hvor lokale organer skulle komme med sine innspill, på samme måte som vi gjør på traseen Ørskog–Fardal, som er litt lenger nord, og det bidro selvsagt til at prosessen ble en annen enn det som er normalt rundt den type prosjekter. Jeg håper for framtida i høringsprosesser at invitasjonen fra myndighetene til å være med gi innspill, forbedre prosjektene og komme med lokal erfaring blir benyttet, og at vi sånn sett ikke opplever den situasjonen at en i ettertid skal sette seg ned og diskutere de spørsmålene som en naturlig diskuterer i forkant av beslutninger – på f.eks. kraftlinjer.